Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten foreslå at Stortingets møte i dag avbrytes kl. 13.45 for Stortingets julelunsj. Videre vil presidenten foreslå at møtet settes igjen kl. 15.30 og fortsetter til dagens kart er ferdigbehandlet. – Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag, og det anses vedtatt. Ingen har bedt om ordet. Etter ønske fra

Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen vil debatten bli delt i to, slik at man først behandler budsjettkapitlene under Kommunal- og moderniseringsdepartementet: same- og minoritetspolitikk, offentlig forvaltning, personvern samt boligpolitikk, overføring til kommunene og distrikts- og regionalpolitikken og deretter budsjettkapitlene under Justis- og beredskapsdepartementet: innvandring og integrering.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

som klarer å ta vare på hvert eneste barn og sikre trygghet for eldre og vanskeligstilte, om at vi har en boligpolitikk som gjør at folk kan bo trygt i eget hjem, og om at vi har en statlig forvaltning som sikrer riktig utvikling når det gjelder likestilling og likelønn, men som også bidrar aktivt i det grønne skiftet. Så dette er viktige saker for SV. Derfor prioriterer også SV disse områdene med mye mer penger enn det regjeringen gjør. For eksempel ønsker vi å styrke boligpolitikken kraftig, både boligbygging for vanskeligstilte og ikke minst bostøtten, som har mistet veldig verdi de siste årene. Husbanken sier sjøl at det skjer at det skjer fordi man ikke har tatt igjen det etterslepet som henger igjen fra ca. 2010, og at man ikke har justert opp de ulike elementene i bostøtten, slik at mange nå detter ut. Det er altså 50 000 færre nå som får bostøtte, sjøl om vi er mer enn 100 000 flere mennesker i landet, mange er Derfor fremmer SV forslag om å bedre bostøtten og ønsker å få flertall for dette. Kommunesektoren omhandler mange av de viktigste sakene i folks liv. Det handler om de mange, og ikke de få. Derfor prioriterer SV å styrke kommuneøkonomien med 5,7 slik at det kan bli nok bemanning i eldreomsorgen, nok lærere i skolen, nok ansatte i barnevernet og også nok til nye satsinger. Vi er også sterkt tilhengere av at kommunene skal utføre disse tjenestene sjøl. Det er fordi penger som er bevilget til f.eks. barnevern, skal gå til barnevern, og fordi de som er ansatt i eldreomsorg og barnevern, fortjener de lønningene og de pensjonsordningene man har i offentlig sektor. Dette er uhyre viktig framover, når vi skal rekruttere og beholde en rekke nye, dyktige ansatte i disse viktige sektorene. Så SVs skolesatsing, SVs eldresatsing ligger i vår kommuneøkonomi. Jeg vil spesielt nevne satsingen på psykiatri. Innen helse har vi en satsing på akuttilbud for unge på 178 mill. kr. I kommunesektoren foreslår vi 200 mill. kr til en ny opptrappingsplan for lavterskeltilbud innen psykiatri. Dette gjør vi fordi det er helt nødvendig. Vi vet at mange sliter, også unge, at det tar for lang tid å komme inn, og at man når man har fått behandling, får for lite hjelp. Dette må vi se sammen med vår satsing på barnevern og skolehelsetjenesten, der vi øremerker våre satsinger fordi vi mener at hvis Stortinget og regjeringen lover satsing på disse områdene, må vi være helt sikre på at det blir satsing på disse områdene. I tillegg til det styrker vi viktige ordninger som brukerstyrt personlig assistanse, som vi vet det er problemer med i veldig mange kommuner, og også ordningen med særlig ressurskrevende tjenester. på disse områdene. I tillegg til det styrker vi viktige ordninger som brukerstyrt personlig assistanse, som vi vet det er problemer med i veldig mange kommuner, og også ordningen med særlig ressurskrevende tjenester. Innen barnevern ønsker vi en ny ordning med en statlig medfinansiering for kommuner som har særlig store utgifter til barnevern, og de kommunene er det dessverre en del av. De trenger å ha muligheten til å ansette nok folk som klarer å stå i krevende. Da må kommunene ha økonomi til å kunne ansette nok kvalifiserte ansatte. Da vil jeg ta opp de forslagene i innstillingen som SV er medforslagsstiller til, bortsett fra forslag nr. 6. Representanten Karin Andersen har tatt opp de forslagene hun refererte til. Det blir replikkordskifte.

De øker bilavgiftene, et direkte angrep på innbyggerne i distriktene. De kutter det private barnevernet, et tilbud til dem som trenger det mest. De kutter petroleumsrelatert forskning, et angrep på norske arbeidsplasser. De kutter hundrevis av millioner i konsulentbistand, et direkte angrep på modernisering og innovasjon i offentlig sektor. Hvordan kan SV mene at de leverer et godt økonomisk opplegg når de går så kraftig til verks mot verdiskapingen her i

skape mer. Høyre har til nå ikke klart å legge fram et eneste bevis på at de skattelettene som Høyre foreslår og får igjennom, fører til arbeidsplasser. De er tvert imot ulikhetsskapende og bidrar til at vi ikke har penger til å finansiere den velferden som hele næringslivet også nyter godt av. Vårt opplegg vil i sum gi et mye bedre utgangspunkt for økonomisk verdiskaping for alle i samfunnet. I tillegg vil det gi skattelette til alle med inntekt under
Jeg merket meg at representanten sa at det var spesielt viktig at kommunene utfører sine tjenester selv, og i det siste har jo SV gått veldig langt i å angripe alt som kan ligne på private tilbydere i kommunen. Jeg tenker tilbake på barnehageforliket, som SV og Jeg tenker tilbake på barnehageforliket, som SV og Fremskrittspartiet kjørte fram, hvor det var viktig å likebehandle offentlige og private tilbydere for nettopp å nå et mål om at flere skulle få barnehageplass. Flere kommuner fikk full barnehagedekning med den politikken, som viste seg å fungere veldig bra.

fordi kommunene ikke hadde bygd barnehager, og da måtte foreldrene sette i gang selv. Nå i dag er det store internasjonale konsern som kjøper opp disse barnehagene, og det er også de som driver omsorg innen barnevern og eldreomsorg. Dette er internasjonale investeringsfond som stort sett også har plassert seg i skatteparadis, altså bidrar de ikke til spleiselaget, men tar penger ut av spleiselaget. I tillegg til det bidrar de til at ansatte, heltene i omsorgen, risikerer å gå ned i lønn og i hvert fall i pensjon. Det ønsker ikke SV. SV ønsker en god arbeidsgiverpolitikk, slik at man kan rekruttere og beholde gode folk, og slik at vi bruker pengene til det formålet vi har bevilget skattepengene til.

Nå, etter fem budsjetter med et borgerlig flertall, er det bevilget nesten én milliard mer, og det er ansatt over 500 flere helsesøstre, jordmødre og psykologer, uten øremerking. Hva var det som gikk feil i den rød-grønne regjeringa da en gikk nedover i antall og ikke oppover? Erfaringene fra den tida er det som gjør at vi ønsker øremerking på disse områdene. vi ønsker øremerking på disse områdene. Vi startet med det helt på slutten av vår periode nettopp fordi vi satset på at når man la penger på bordet, skulle det bli en satsing av det. Det ble det altså ikke. Jeg er glad for at man nå har fått økt antallet, men det skulle jo bare mangle med den satsingen som har vært. SV ønsker altså at vi øremerker satsingene på disse områdene, slik at det blir økt antall i alle kommuner, for slik er det ikke. ikke. Det er jo sånn at ungdom som trenger hjelp, også kan bo i de kommunene der de i dag ikke får denne hjelpen, enten det er fra skolehelsetjenesten, fra barnevernet eller fra f.eks. et lavterskeltilbud innen psykiatri. SV legger pengene på bordet, også sånn at det er mulig å synliggjøre hva staten bidrar med i disse satsingene, slik at det ikke bare blir et ansvar for kommunene å oppfylle alle statens gode ønsker.

Derfor er det overraskende at regjeringens pressemelding om IKT-satsing i offentlig sektor viser lavere bevilgninger for 2018 enn det Stoltenberg-regjeringen la fram for 2014. Også i år har Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett betydelig mer penger til digitalisering enn regjeringen. Vi styrker medfinansieringsordningen og bevilgninger som retter seg mot kommunenes bruk av Vi mener det er nødvendig å investere før det kan kuttes. Vi foreslår 430 mill. kr mer til bredbånd enn regjeringen, noe som er helt grunnleggende i dagens Norge – også for offentlig sektor og for samhandlingen mellom offentlige instanser og innbyggere. Omstilling og digitalisering krever økt kompetanse. Den kompetansen man har, må fornyes gjennom yrkeslivet. Derfor foreslår vi en kompetansereform for livslang læring og et prøveprosjekt som bl.a. omfatter eldreomsorg i to fylker. Offentlig sektor må stole mer på de ansattes kompetanse. Vi mener derfor det må innføres en tillitsreform. Det må brukes mindre tid på måling og rapportering, og det som måles, må i større grad vurderes ut fra samfunnsnytte og resultater enn ut fra antall og prosesser.

et statsbudsjett som i beste fall er et nullbudsjett for sektoren, og som i tillegg har forslag om endringer i eiendomsskatten som betyr over 1 mrd. kr i minus. Jeg tror ikke Venstre og Kristelig Folkepartis innsats for å kompensere for halvparten føles som en seier for de kommunene som nå må tilpasse sine økonomiplaner til halverte inntekter. Det som overrasker meg mest i årets kommuneopplegg, er den manglende oppmerksomheten rundt eldreomsorgen. Jeg håper Fremskrittspartiet i dagens debatt kan forklare hvorfor eldreomsorgen ikke lenger er med på det som prioriteres. 300 mill. kr i merutgifter til de ressurskrevende brukerne vil slå direkte inn i kommunenes helse- og omsorgsbudsjett. Med 300 mill. kr mindre blir ikke tjenestene bedre for de eldre. Budsjettforhandlingene ga en uttelling på 295 mill. kr for støttepartiene. Venstre foreslo i sitt alternative budsjett å bruke 2,6 mrd. kr mer til kommunesektoren. Det endte altså med 295 mill. kr. Arbeiderpartiet har foreslått å styrke kommunerammene med 3 mrd. kr, i tillegg til forslag om å styrke andre sektortilskudd med nesten 1 mrd. kr. Vi gjør det fordi vi vil utvikle velferden i kommunesektoren, ikke bygge den ned.

som at det er et kommunebudsjett som gir muligheter for nye løsninger. Det er ikke sånn det oppleves rundt om i landets kommunestyresaler. Det styrker ikke lokaldemokratiet. Lokalpolitikerne kommer i skvis mellom statlige forventninger og mangel på penger. Det må være lov å spørre: Hva er satsingen på et levende lokaldemokrati, som regjeringspartiene omtaler i merknadene sine? Er det tvangsvedtakene om sammenslåing de tenker på?

Men Arbeiderpartiet har en stolt tradisjon for å blande seg inn i velfungerende private markeder, og det vil de også gjøre i boligmarkedet. Arbeiderpartiet har tenkt å bruke Husbanken slik at helt vanlig ungdom, som med noen år med sparing kan få realisert boligdrømmen, skal få egenkapitalen sin på statens risiko. Får Arbeiderpartiet viljen sin, Får Arbeiderpartiet viljen sin, skal altså ungdom snike foran dem som trenger det aller mest, og Husbanken skal operere som en ordinær bank på helt andre betingelser enn andre banker. Spørsmålet mitt til Arbeiderpartiet er da: Hvorfor vil Arbeiderpartiet at private banker skal ha strenge egenkapitalkrav, men at vanlige folk skal få

Arbeiderpartiet har aldri ment at det er ungdom som skal dekkes av startlånet. Startlånet skal gis til dem som er utenfor det markedet som den private finansieringen er til. Det framkommer helt klart av startlånsordningen i Husbanken at de som er vanskeligstilt, de som ikke har mulighet til å komme inn på det private lånemarkedet, er de vi skal møte. Det er helt klart slått fast at ungdom ikke hører med i den
Neste replikant er Ketil Kjenseth.

og vi har på ett år hatt en halvering i antall kommuner som er på ROBEK-listen. Det går tross alt ganske bra i Kommune-Norge hvis man ser seg litt om. Selv kommer jeg fra en kommune som gjennom de siste fire årene har klart å spare opp betydelige midler i reserve og styrke eldreomsorgen og de kommunale tilbudene.

Du får ikke et bedre sykehjemstilbud av at kommunen din er kommet ut av ROBEK-listen. Du får ikke hjemmehjelp, og du får ikke barnehageplass selv om kommunen din har kommet ut av ROBEK-listen. Det er tjenestene vi må se på. ROBEK-listen er et godt virkemiddel for å ha økonomisk styring, men tjenestene kommer ikke bare av om du er på eller

I dag har vi en plass mellom 5 000 og 7 000 lover, forskrifter og reguleringer for kommunal sektor, og det er et betydelig antall som vi her i Stortinget over tid har overlatt til kommunesektoren å forholde seg til. Arbeiderpartiet har ca. halvparten av norske ordførere, så spørsmålet er egentlig: Er det alle ordførere en har Er det alle ordførere en har tillit til, eller gjelder det dem som en selv ikke har ute i kommunene, i og med at en ønsker en type tillitsreform? Vi har stor tillit til både våre egne ordførere og andre, som gjør en formidabel jobb for å få kommunesektoren til å henge sammen, men jeg tror vi må erkjenne at vi i statlig sektor, og også overfor kommunene, driver et målregime som ikke nødvendigvis er til det beste. New Public Management-tanken har fått for stort innslag, og det er for mye tellekanter og måling av antall. antall. Jeg tror at vi i mye større grad burde legge vekt på de ansattes kompetanse når det gjelder hvordan man klarer å løse oppgavene, og ikke være så detaljstyrende som det vi er. Her tror jeg vi har mye å lære, både de som sitter i posisjon, og vi som sitter i opposisjon. Vi burde legge mindre vekt på alle målingene våre og mer vekt på den kompetansen som de ansatte ute i kommunesektoren – og

For Høyre er det viktig å skape et levende lokaldemokrati, en enklere hverdag og å styrke det sosiale sikkerhetsnettet. For å løse de mange oppgavene har kommunene fått en sterkere realvekst i sine frie inntekter med denne regjeringen. Vi har prioritert midler til skolehelsetjenesten, laget en opptrappingsplan mot rus og satset på tidlig innsats i skolen.

I kommuneproposisjonen for 2018 la regjeringen opp til en reell vekst på mellom 4,6 mrd. og 5,3 mrd. kr. Dette følges opp i statsbudsjettet med en realvekst på 4,6 mrd. kr, og realveksten i de frie inntektene anslås til 3,8 mrd. kr. For Kommune-Norge samlet sett viser beregningene at årlige oppgavekorrigerte realveksten i perioden 2013–2016 var på 2,4 pst., mens den fra 2005 til 2013 var på 1,8 pst. Det er altså en bedre kommuneøkonomi med denne regjeringen. Og som det ble sagt i et replikkordskifte: I 2016 leverte kommunene det beste resultatet siden 1990-tallet. Det er også et rekordlavt antall kommuner i

og at det i 2018 gis rom for tilskudd til 1 800 nye heldøgns omsorgsplasser. Dagaktivitetstilbudet økes med 350 nye plasser. Det er også lagt inn midler til opptrappingsplanen mot rus. Selv om de fleste bor godt i Norge, gjelder ikke dette alle. Vanskeligstilte må få hjelp til å skaffe seg bolig. Regjeringen har derfor forbedret bostøtten. Tilgang til utleiebolig er viktig, målrette tilskuddet er nå ute på høring. Kommunene har fått økt handlingsrom, men det er et potensial for å drive smartere og mer effektivt. Effektivitetsanalyser viser at mange kommuner har mye å gå på. Fornying og forenkling skjer gjennom digitalisering og bruk av IKT. Regjeringen fortsetter satsingen fra 2017 og bevilger ca. 0,5 mrd. kr til nye statlige IKT-satsinger. Dette kommer i tillegg til IKT-satsinger innen helsesektoren og skolesektoren. Kommunene er store på innkjøp, og det er et uutnyttet potensial for å drive fram innovasjoner og bedre tjenester. Det er derfor satt av 15 mill. kr til Direktoratet for forvaltning og IKT for å ivareta grønne anskaffelser og miljøkrav i offentlige anskaffelser. Der har vi også en del å gå på. Vi ønsker sterkere kommuner og et levende lokaldemokrati der makt og ansvar ligger nær dem som beslutningene angår. Kommune- og regionreformen har gitt oss en mer framtidsrettet struktur, med en kommunesektor som kan gi gode tjenester og drive fram en positiv Vi ønsker at kommunene skal ha et handlingsrom. Vi ønsker ikke en øremerking som binder opp kommunene og gjør at kommunepolitikere får stadig mindre handlingsrom for sine prioriteringer i sine kommuner. Vi har også vedtatt større og mer funksjonelle fylkeskommuner og vil styrke både lokaldemokratiet og vekstkraften i de nye fylkene. Bevilgningene til vei og bane har økt med 21,8 mrd. kr siden 2013. Det binder distriktene sammen, det er en distriktsvennlig politikk. Det blir replikkordskifte.

medlemmer viser til at veksten i satsingen på fylkesveier alene overstiger reduksjonen i regionale utviklingsmidler.» Våre beregninger viser det motsatte. Veksten til fylkesveger er bare en brøkdel av reduksjonen til regionale utviklingsmidler. Hvilke fakta er det Høyre bygger på, som grunnlag for påstanden som er gitt i

rapporterer reiselivsnæringen om veldig gode tall. Sånn sett er det andre incitamenter til å drive distriktspolitikk enn passive overføringer fra
Regjeringen skryter stadig av at de har brukt mer penger på ulike områder, men det skulle da bare mangle når man har 125 mrd. kr mer av oljepengene å bruke på budsjettene. Noe må man jo bruke dem på. Men et område som angår alle i dette landet, og som angår mest dem som har det vanskelig, er bostøtten, og der bruker vi mindre penger nå enn vi gjorde i 2010, og vi har blitt 400 000 flere mennesker i landet. Vi vet at fattigdommen øker. Forrige uke fikk vi statistikk som viser at lønningene til de lavest lønte har gått ned, og boutgiftene har økt voldsomt. Likevel sier regjeringen at de styrker

Det er viktig at boligstøtten er fleksibel, og at den er treffsikker. Boligutgiftstaket er hevet med denne regjeringen, slik at flere faktisk får støtte. Det vi er opptatt av, er å tette hull i sikkerhetsnettet og rette opp skjevheter fra 2017. Nå er det slik at uføretrygden fra Nav, uten ytelser, har økt mer enn prisstigningen, men det er det kompensert for i 2017. Vi har også gjort flere andre tiltak for å målrette bostøtten bedre. Blant annet er det slik at i bokollektiv kan man nå få støtte. Barns inntekt er fritatt fra å være med i beregningsgrunnlaget for støtte. Vi har også oppjustert, slik at det er siste måneds inntekt som teller for å få bostøtte. Regjeringen har også en strategi, Bolig for velferd, som man ønsker å

Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser har blitt styrket betydelig, og i 2018 gis det rom for tilskudd til om lag 1 800 heldøgns omsorgsplasser, og dagaktivitetstilbud til personer med demens økes med 350 plasser. Kommunereformen vil gi større og sterkere velferdskommuner. Kommunene leverte i 2016 det beste økonomiske resultatet siden 1990-tallet, noe som har gitt et rekordlavt antall kommuner i ROBEK, og om lag 100 flere kommuner anses å ha større økonomisk handlingsrom i 2016 sammenliknet med Like før helgen ble Effektivitet i kommunene lagt frem. Analysene viser at det samlede effektiviseringspotensialet i de tre sektorene grunnskole, barnehage og pleie og omsorg var 13 pst. i 2016. Ressursbruken kan med andre ord reduseres med 13 pst. uten at produksjonen reduseres, dersom alle kommuner blir like effektive som de mest effektive kommunene. Gjennom budsjettforliket foreslås det å heve beløpsgrensen for rett til gratis kjernetid i barnehage for 3-, 4- og 5-åringer. Det foreslås å øke budsjettposten med ytterligere 100 mill. kr for å øke antallet stillinger i skolehelsetjenesten og på helsestasjonene, og ytterligere 75 mill. kr til å følge opp Opptrappingsplanen for rusfeltet. Vårt samfunn må gjennom stadig omstilling og utvikling. Offentlig forvaltning må bruke ressursene riktig for å møte innbyggernes behov. Regjeringen har hatt som hovedfokus å forenkle, fornye og forbedre. Økt bruk av digitale systemer er nødvendig for å få til effektive løsninger. Utviklingen av nye løsninger gjør at presset mot personvern blir sterkere, og det må stilles strenge krav til lagring, bruk og videreformidling av informasjon. Den nye personvernforordningen trer i kraft i løpet av Norge er et land med store variasjoner og rikt mangfold, og vi jobber hele tiden for å styrke vekstkraften i hele landet. En vellykket regional- og distriktspolitikk måles i hvilke muligheter mennesker og næringsliv har i distriktene. Satsingen på samferdsel, skatte- og avgiftslettelser, differensiert arbeidsgiveravgift, inntektssystemet for kommunene, helsetjenester, utdanning, forskning og innovasjon har stor betydning for å få til en god regional utvikling og regional balanse. At arbeidsledigheten nå går ned i alle fylker, forteller oss at vi lykkes med vår næringsvennlige politikk, som gir grunnlag for vekst i alle deler av landet. Satsing på fylkesveier er viktigere enn reduksjonen i regionale utviklingsmidler. Den brede distriktspolitikken har vært en suksess, og det går nå bra i Distrikts-Norge. Staten har mottatt over 100 søknader om utviklingskonsesjoner i havbruket. Reiselivsnæringen melder om nye rekorder. Antallet nyetablerte bedrifter er rekordstort, og innovasjonen er stor i det eksisterende næringslivet. Økt satsing på regionale utviklingsmidler hadde ikke kunnet erstatte den positive utviklingen vi nå ser i distriktene. Distriktene er styrket med et næringsliv i vekst, rekordsterk kommuneøkonomi og kommuner som blir større. Regjeringspartienes politikk har styrket distriktene, forhindret nedleggelser av bedrifter og arbeidsplasser, og dermed Færre rådhus og politikere betyr mer penger til bedre tjenester for innbyggerne. For å hindre fraflytting har det vært viktig å skape kommuner som er attraktive å bo i. Regjeringens sosiale boligpolitikk har også gitt resultater. En fersk kartlegging gjennomført av By- og regionforskningsinstituttet viser at antallet bostedsløse i Norge har gått ned med hele 36 pst. de siste fire årene. Nedgangen har kommet i alle typer kommuner. En rekke ordninger og tilskudd har bidratt til det vi nå ser resultatet av, og regjeringens mål om å sikre raskere saksbehandling av byggesaker og forenklinger i plan- og bygningsloven sikrer også mer og raskere utbygging av nye boliger. Regjeringen har gjort flere forbedringer i bostøtteordningen. Satsene justeres nå med prisutviklingen og retter dermed opp en stor svakhet etter de rød-grønnes omlegging av ordningen i 2009. Månedlige oppdaterte inntektstall og forbedrete regler for store familier og mennesker i bokollektiv er også viktige endringer som er blitt gjort. Uføre som hadde bostøtte før uførereformen trådte i kraft, omfattes av kompensasjonsordningen, som hindrer at reformen fører til reduksjon i bostøtten. Denne kompensasjonsordningen videreføres. Det blir replikkordskifte. Hvaler har innført eiendomsskatt, og slik uttaler ordfører Borge fra Fremskrittspartiet seg om saken: Begrunnelsen for

Mener Fremskrittspartiet på Stortinget at Hvaler burde kutte ut eiendomsskatten og deretter kutte i sykehjemsplasser, slik Hvaler-ordføreren og partifellen sier er konsekvensen? Arbeiderpartiet pleier å argumentere slik som det gjøres her nå, at hvis man kutter i eiendomsskatt, må man kutte i sykehjemsplasser. Det henger ikke sammen på den måten. Vi har forskjellige utfordringer i alle kommuner. Vi har ikke flertall alene i noen kommuner. Det er et samspill om et helt budsjett. Men partiet Fremskrittspartiet er imot eiendomsskatt. Det vet ordføreren på Hvaler, og han sier også selv at han gjerne skulle vært det foruten. Vi vet at det finnes mange andre måter å innrette kommuneøkonomien på. Det er veldig mange kommuner som har god eldreomsorg, og som ikke har eiendomsskatt. eiendomsskatt. Derfor har jeg anbefalt Hvaler å se til disse kommunene og lære av dem, sånn at de kan kutte i eiendomsskatten og allikevel gi en god eldreomsorg. Budsjettforliket har redusert kommunenes selvråderett kraftig gjennom at man har redusert muligheten for eiendomsskatt. Det er

Det er ikke ofte vi har ordførere i fakkeltog utenfor Stortinget som innstendig ber oss om ikke å redusere den muligheten fordi det vil ødelegge for tjenesteproduksjonen i kommunene. Blant annet var det en Høyre-ordfører som holdt en ganske flammende appell her ute. På toppen av en stram kommuneramme, der 60 pst. sier det er mer krevende enn tidligere, skal man altså fratas muligheten til eiendomsskatt. Tidligere har vi hørt argumentet om at det er unødvendig, at det er rød-grønne ordførere som har for dårlig økonomistyring, og at det ikke går ut over tjenesteproduksjonen. I forrige uke så vi at Fremskrittsparti-ordføreren i Ulstein greide å få gjennom eiendomsskatt i sitt kommunestyre. Det var helt nødvendig for å opprettholde tjenesteproduksjonen. Mener representanten at Ulstein heller skulle ha redusert kvaliteten på kommunale tjenester? Og mener representanten at det tyder på at Fremskrittsparti-ordføreren i Ulstein har altfor dårlig økonomistyring? Det blir jo mye av det samme. Vi har veldig mange kommuner som ikke har eiendomsskatt, og som driver gode tjenester – like gode tjenester. Så viste jeg til den nye rapporten som kom før helgen, som viser at det er et stort effektiviseringspotensial i veldig mange kommuner. Det er veldig lettvint å be om mer penger hver gang ting blir litt krevende. De som er de beste politikerne, er de som tar en skikkelig gjennomgang av hele sitt tilbud med jevne mellomrom og ser hvordan de kan gjøre ting bedre. bedre. Så er det igjen sånn at Fremskrittspartiet ikke sitter alene med 50 pst. i noen kommuner. Det betyr at budsjettene blir laget sammen med flere partier, og de partiene har litt forskjellige måter å arbeide på. Jeg vil jo tenke at de beste politikerne er

betydning for Fremskrittspartiet. Når vi nå hører at alle kommuner skal bli like effektive, er det som om Rendalen skal bli akkurat likeens som Bærum, og jeg tror representanten skjønner at det ikke er mulig når geografien er slik den er. Så spørsmålet er hvorfor Fremskrittspartiet gjør disse valgene. For dette handler om å ha nok ansatte. 50 pst. av ordførerne melder i en undersøkelse Kommunal Rapport har gjort, at de nå må kutte ansatte. nå må kutte ansatte. Mange av dem jobber i eldreomsorgen, og eldreomsorgen er avhengig av at det er flere ansatte enn i dag hvis den skal bli god, både på sykehjemmene og i hjemmeomsorgen. Hvorfor er skattelette viktigere enn eldreomsorg for Fremskrittspartiet? Her var det litt forskjellig å ta tak i. Kommunene som blir sammenlignet med hensyn til effektivisering, er jo satt opp mot hverandre ut fra hvilken gruppe man tilhører. er så mange ordførere som varsler at de skal kutte. De varslene har kommet hvert eneste år i 25 år så lenge jeg har drevet med politikk. Det er en mekanisme som slår inn automatisk: Hver gang vi snakker om budsjett, skal kommunene kutte. Men det er resultatene vi måler, og resultatene viser at det går veldig bra i kommunene, at det er blitt flere ansatte, og at vi har fått prioritert det som er viktigst. Så må man slutte å si at skattelettene er gitt til dem som har aller mest. Skattelette er gitt for å styrke konkurranseevnen vår, og det er gitt til alle. Det har kommet alle til gode, med skatte- og avgiftsletter på til sammen Så skulle gjerne Fremskrittspartiet sett at eldreomsorgen ble styrt fra statens side. Det er det ikke flertall for i denne salen, derfor er det kommunene som har ansvaret for eldreomsorgen. Replikkordskiftet er dermed omme. Senterpartiet legger fram et forslag til budsjett som gir kommunesektoren rom for å opprettholde og utvikle tjenestetilbudet til innbyggerne sine og

KS har nylig presentert en budsjettundersøkelse for 2018. Basert på rådmennenes budsjettforslag viser den hvordan 2018 fortoner seg sett fra kommunenes ståsted. 60 pst. av kommunene sier budsjettarbeidet er mer krevende for 2018 sammenlignet med tidligere år. Netto driftsresultat i kommunene vil bli vesentlig lavere enn anbefalingene som er gitt av Teknisk beregningsutvalg. Jeg synes det er særlig bekymringsfullt at budsjettert netto driftsresultat er helt ned mot 0,08 pst. i kommuner med under 10 000 innbyggere. I kommuner med over 60 000 innbyggere bikker budsjettresultatet 2 pst. Jeg hører noen si at den vanskelige situasjonen for små og mellomstore kommuner skyldes befolkningsutviklingen – færre og eldre innbyggere. Det er bare en liten del av Politiske vedtak er den viktigste grunnen til tøffere tider for disse kommunene. Gjennom endringer i inntektssystemet har det skjedd en bevisst overføring fra små og mellomstore kommuner til de største kommunene. Jeg er ikke bestandig enig i analysene til NIVI Analyse i deres kampanje for kommunesammenslåinger, men jeg må gi dem kommuner til de største kommunene. Jeg er ikke bestandig enig i analysene til NIVI Analyse i deres kampanje for kommunesammenslåinger, men jeg må gi dem rett når de sier følgende: «Kommuner som står alene må være forberedt på knallharde økonomiske rammer i årene som kommer fordi disse kommunene mister finansiering.» Hovedgrunnen til svak inntektsutvikling i små og mellomstore kommuner skyldes endringer i systemet for statlige overføringer, og ikke folketallsutviklingen. Fakta er at blant kommuner med mellom 2 000 og Alle kommuner med over 25 000 innbyggere kom ut i pluss. Departementet har ganske utilslørt begrunnet endringene med at de skulle fremme kommunereformen. For meg og Senterpartiet er utgangspunktet at endringer i nøklene i inntektssystemet skal begrunnes objektivt ut fra kostnadene ved å utvikle et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne, uavhengig av kommunestørrelse og bosted.

der Stortinget ber regjeringen gjeninnføre kompensasjon for smådriftsulemper gjennom et likt basistilskudd til alle kommuner på nivå med tilskuddet som ble gitt til og med 2016. Bevilgningene til distrikts- og regionalutvikling har definitivt ikke vært blant vinnerne under den sittende regjeringen. Bevilgningen er redusert med 50 pst. fra

Slik ble det dessverre ikke. Stortingsflertallet bak sammenslåingen av fylkeskommuner sier at styrking av fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler er en hovedbegrunnelse for reformen. Det er argumenter som mister all troverdighet når vi ser hvordan disse partiene svekker fylkeskommunens rolle for å bidra til å skape arbeidsplasser og støtte opp om Jeg merker meg budsjettomtalen fra departementet, som viser til at de bedriftsrettede låne- og tilskuddsordningene gjennom bevilgningene til distrikts- og regionalpolitikken over statsbudsjettet utløste om lag det firedobbelte i annen kapital til gjennomførte prosjekter i 2016. Det er beklagelig at regjeringen og budsjettkameratene ikke legger vekt på disse faktaene. Senterpartiet styrker bevilgningene til distrikts- og Toppfinansieringsordningen av kommunens kostnader til ressurskrevende brukere svekkes også ytterligere i budsjettet. Det foreslås at innslagspunktet for å dekke 80 pst. av kommunens kostnader økes med 50 000 kr. Dette gir en ekstraregning til kommunene på 345 mill. kr. De siste to årene er de påført 375 mill. kr i ekstra kostnader. Det er lite trøst i at budsjettforliket i år har et verbalforslag om å utrede endringer i ordningen for ressurskrevende tjenester. Til slutt vil jeg ta opp de forslagene Senterpartiet er med på. Representanten Heidi Greni har tatt opp de forslagene hun refererte til. Det blir replikkordskifte. Kommunereforma er

i kommunar og regionar. I 2006 uttalte representanten Slagsvold Vedum følgjande: «Gjennom å samordne flere oppgaver på regionalt nivå kan vi videreutvikle kvaliteten på tjenestene, bidra til bedre samlet ressursbruk og styrke legitimiteten.» Er representanten Greni einig i utsegna frå sin partifelle frå 2006?

har f.eks. ikke foreslått tvangssammenslåing for Møre og Romsdal fylke. Alle de andre fylkene per i dag er i stand til å påta seg de samme oppgavene som Møre og Romsdal er i stand til å ta på seg. Så en strukturendring i fylkeskommunene er helt unødvendig for at vi kan få mer makt og myndighet til regionalt nivå, flere oppgaver til regionalt nivå flere tjenester og mer makt nærmere innbyggerne. Jeg er veldig skuffet over at regjeringen ikke har villet stemme for de forslagene vi har fremmet når det gjelder nye oppgaver til fylkene, og så er jeg veldig skuffet over at regjeringen overkjører fylkestingenes vedtak der de ønsker å opprettholde fylket sitt som eget fylke. Ut ifra innlegget kan det virke som at Senterpartiet er fylke. Ut ifra innlegget kan det virke som at Senterpartiet er imot kommunesammenslåing og regionreform bare av prinsipp, selv om det også kan vise seg å ha positive effekter. I valgkampen hadde Senterpartiet som sitt hovedvalgspråk at man hadde sentralisert for mye, og lederen for Senterpartiet sa fra akkurat denne talerstolen at denne regjeringen nå var den mest sentraliserende regjeringen som noen gang hadde vært i Norge. Norge. Det var flere som ville undersøke om det stemte. NRK gikk grundig til verks og fant ut at det var snarere tvert om – denne regjeringen hadde ikke vært noe mer sentraliserende enn andre, og det kunne vises til at det bl.a. ble lagt ned flere lokalsykehus og den slags mens Senterpartiet selv satt i regjering. Er det slik at Senterpartiet har innsett at de står for mer sentralisering når de sitter i regjering, eller vil de fortsatt bruke den retorikken, selv om det er slått tilbake?
Det er vel ingen tvil om at vi har en enormt sentraliserende regjering. Hvis man ser på budsjettet for 2018, følger den absolutt opp sentraliseringspolitikken sin. Nå skal kommunene fratas selvråderetten over eiendomsskatt.

Nå står vi overfor en digital revolusjon der det er mulig å gjøre mye med forvaltning, basert på et større innbyggertall enn det var på 1960-tallet. Jeg hørte representanten Greni refererte til at bare 51 kommuner har fått vekst etter at den nye tilskuddsordningen for kommunene ble revidert nå. Men alle disse kommunene har jo vært presset siden 1964 når det gjelder å effektivisere. Synes representanten Greni det er solidarisk at noen skal ta et større ansvar enn andre? Jeg vet ikke hvordan det var i Oppland, men i Trøndelag var det oppfunnet både biler og ambulanser i 1964. Der er mulig Oppland er men i Trøndelag var det oppfunnet både biler og ambulanser i 1964. Der er mulig Oppland er litt etter – det skal jeg ikke uttale meg om. Når det gjelder den omfordelingen som pågår nå, er det en omfordeling som ikke gir likeverdige tjenester i hele landet. Vårt mantra når det gjelder inntektssystemet for kommunene, er at man skal ha mulighet til

og de siste årene har vi gitt mye mer penger til dem som trenger det aller mest – de små som går i barnehage, førskole og skole, og faktisk også de eldre som har behov på slutten av livet. Det er blitt over 500 flere helsesøstre, jordmødre og psykologer. Neste år starter en forsøksordning med primærhelseteam. Altfor mange eldre opplever dessverre fragmenterte tjenester der de må forflytte seg mellom fastlege og ulike tjenester i den kommunale helsesektoren. Mange eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, men med dagens organisering ute i kommunene er det ofte ikke en kjede som er forenelig med å sette pasienten i sentrum. For Venstres del har vi også prioritert å få inn midler til å prøve ut oppfølging på avstand gjennom fastleger, hvor flere kan bo hjemme og ta i bruk digitale hjelpemidler for å få en mer systematisk oppfølging. Framover er det et stort behov for mer innovasjon i omsorg, og det er et stort behov for rekruttering for å møte de velferdsutfordringene vi står framfor de neste 15–20 årene. Tidsvinduet er veldig godt nå. Vi har god økonomi i Norge. Det er ikke nå vi har de fleste eldre på tur inn i pleie- og omsorgssektoren, det er om ti års tid. Derfor er vinduet akkurat nå veldig godt for en Derfor er vinduet akkurat nå veldig godt for en kommunereform, og derfor må vi fortsette å forberede kommunene på å møte utfordringene de står overfor. Kommuneøkonomien har de siste årene gått i riktig retning. Det er stor vekst i de frie inntektene, og det er også stor vekst i skatteinngangen. Det er en del av bildet som er blitt lite nevnt så langt i debatten i dag. Det er også viktig for å sørge for at en kan tilpasse seg lokale utfordringer. For Venstres del skulle vi gjerne brukt enda mer penger på kommunene. I vårt alternative budsjett foreslo vi 2,6 mrd. kr mer til kommunesektoren. Skolesatsing er også Økningen i frie inntekter i Venstres alternative budsjett begrunnes hovedsakelig med behov for økt innsats i skoler, barnehager og sosiale tjenester. Opptrappingsplanen for rusfeltet og en nasjonal minstenorm for sosialhjelp er viktige. Flere stillinger i skolehelsetjenesten og på helsestasjoner, flere barnehageplasser, flere med gratis kjernetid, makspris og differensiert oppholdsbetaling for SFO er også viktig for mange barnefamilier, samt flere lærere og sterkere satsing på språk og IKT i skolen. Digitalisering er også viktig for å møte framtida. I dag har vi en kommunesektor som vi har oversett litt fra Stortingets og statens side. Det er et for stort digitalt mangfold der ute, og vi har mye å hente på å samordne og standardisere i kommunal sektor, og det må vi sette fart på i tida Et mindre godt eksempel på hvordan vi har organisert dette, er den nasjonale digitale læringsarenaen som fylkeskommunene gikk sammen om i 2006. Den har ført til et monopol, og de digitale læremidlene i videregående skole er ikke et eksempel til etterfølgelse. Vi må organisere dette på en annen måte når grunnskolene nå skal gå over til å ta i bruk digitale læremidler i større grad. I en del av budsjettforliket fikk Venstre også inn 50 mill. kr mer til utvikling av digitale læremidler, men der vi i framtida gjør det på en annen måte enn ved å lage et nasjonalt monopol. Jeg tror jeg stopper der. Det

Dette handler om at Venstre ikke prioriterer tiltak som gjør livet til disse barna bedre. Regjeringen prioriterer verken nok politi i gatene eller tiltak som kunne fått foreldrene til barna i jobb. Nå skal Venstre inn i denne regjeringen. Arbeiderpartiet har i lang tid vært pådriver for områdesatsingen i utsatte områder med levekårsutfordringer. Ekstra innsats fra stat og kommune i utvalgte nabolag har hatt som mål å bidra til

Det forstår jeg ikke helt, for vi fikk i dette budsjettforliket 10 mill. kr mer til nettopp områdesatsing i Oslo sør. Det lå fra før inne 30 mill. kr fra regjeringas side, så i sum er det 40 mill. kr. Det ligger i tillegg 30 mill. kr i justiskapitlet, så staten bidrar med 70 mill. kr til områdesatsing i Oslo sør. Så vidt jeg kjenner til, er det mer enn hva Oslo kommune selv bidrar med i Oslo sør. sør. Så vidt jeg kjenner til, er det mer enn hva Oslo kommune selv bidrar med i Oslo sør. Det mangler en avtale mellom Oslo kommune og staten for å få på plass en ny områdesatsing i Oslo sør. Det må særlig Oslo kommune ta ansvar for, og sørge for at vi får på plass en avtale. Det vil også utløse mer midler.

Regionale utviklingsmidler gjennom fylkeskommunen til Innovasjon Norge, SIVA m.m. er svært viktig for å utvikle næringslivet i distriktene. Det er noe alle fylkeskommunene også påpeker. I budsjettavtalen Venstre har inngått, er 250 mill. kr blitt til 20 mill. kr. Det betyr at årets kutt til næringsutvikling i distriktene er redusert fra 330 mill. kr til 310 Hvordan vil Venstre forklare dette store kuttet til alle de bedriftene som er avhengige av oppstartstøtte for å bygge ny virksomhet og nye arbeidsplasser i Distrikts-Norge? Bedriftene der ute har fått mye hjelp fra Venstre, når det gjelder støtte til sosiale ordninger, bl.a. Jeg tror de føler at de får drahjelp. Når det gjelder disse eksplisitte virkemidlene for å få etablert flere bedrifter i distriktene, er det forskjellige veier dit. Et eksempel vi kan se til, er: Nå kommer Statkraft og Södra inn og skal bruke 500 mill. kr på å etablere et pilotprosjekt for bioraffinering på Tofte. Det vil bidra til at mange skogsentreprenører og mange skogeiere der ute i distriktene får avsetning på trevirke. Mange sagbruk får levert sagflis, som i dag hoper seg opp og hindrer kapasiteten på

bostøtten. Vi bruker mindre penger på bostøtte nå enn vi gjorde i 2009. I mellomtida har boligprisene økt voldsomt, inntektene til veldig mange vanlige folk og til lavinntektsfamiliene har stått stille de siste årene, og antall innbyggere har økt med flere Kan representanten da forklare hvordan man i budsjettet kan skrive at man har styrket ordningen, når det er flere titusener som ikke får, og vi bruker mindre penger nå enn i 2009? Nå er det vel ikke færre som får. Vi bruker mindre penger, men det er flere som får, det er flere å dele på. Det er en av utfordringene med dagens ordning. Det er den samme utfordringen som forrige regjering hadde – å måtte justere bostøtten fordi flere hadde behov. Venstre erkjenner at det med dagens ordning. Det er den samme utfordringen som forrige regjering hadde – å måtte justere bostøtten fordi flere hadde behov. Venstre erkjenner at det er utfordringer i boligmarkedet for dem med lave inntekter – definitivt – med de prisene vi har nå. Derfor foreslår vi i vårt alternative budsjett å øke innsatsen for å bygge flere boliger til lavinntektsfamilier. Vi har foreslått mer støtte til

i de mange – og etter hvert ikke fullt så mange – kommunene. Det blir snakket om at ordførere stadig vil ha mer penger. Det er jo en naturlov. Selvfølgelig vil en ha optimal uttelling. Det vil en på ethvert nivå. Det er dermed også en prøve på hvordan Stortinget verdsetter den jobben som gjøres av lokalpolitikerne i kommunene og om partiet mitt gjerne skulle ha gått litt lenger i form av å gi handlefrihet og noe romsligere ramme, er det store bildet at det leveres forutsigbare rammer. De siste årene har ikke vært en sånn stor katastrofe som ble predikert da Høyre og Fremskrittspartiet flyttet inn i regjeringskontorene. Nå skal det sies også at de nevnte partiene heldigvis har vært avhengige av Kristelig Folkeparti og Venstre for å få budsjettet i havn. Å få budsjettet i havn er som kjent å kompromisse. Det er kompromisset for oss alle sammen. Det er ikke førstevalgene for oss alle sammen som presenteres her i dag. Et budsjettforlik har vi fått i havn – med gode styrkinger på viktige områder. Jeg har lyst til å nevne noe innen distriktspolitikken. Det er ikke bare utjevningsmidlene. Vi har Merkur-programmet, som bidrar til at vi har nærbutikker rundt om i hele landet. Vi har en styrking av bedriftsrettede program i distriktene, som er kjærkomment. Det er ikke en generell kapitalmangel i Norge, men det er mangel på risikovillig kapital. Det kan være en akilleshæl i mange av distriktskommunene. Vi er også veldig glade for at vi fikk på plass en tapskompensasjon for de fylkeskommunene som tapte uforholdsmessig mye på omleggingen av inntektssystemet. Det tror jeg de er glade for i både Sogn og Fjordane, Nordland og Troms spesielt, for det er en klar føring for at de som kompenseres, er de som har tapt mest. Vi er glade for at helsesøstertjenesten får et fortsatt løft. Alle snakker om tidlig innsats og tidligst mulig innsats for de små, barna. De store utfordringene vi har her, er høyst reelle. Dette er god medmenneskelig politikk, og det er også samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi er også tilfredse med at det i komitébehandlingen i en felles flertallsmerknad fra regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre ble gitt klar marsjordre om å holde det såkalte regionsentertilskuddet utenom Folkeparti var i utgangspunktet imot å endre inntektssystemet, men når det først er endret, kan vi ikke føre kommunene som ble lovet en slik gulrot, bak lyset. Derfor ligger dette i budsjettet. En annen litt tilsvarende sak som jeg er glad for at en samlet komité stilte seg bak, var Indre Fosen kommune, som utilsiktet kom dårligere ut av sonekriteriene i inntektssystemet enn det som ble lagt til grunn. I 2018 løses dette greit over skjønnsmidlene, og regjeringen skal komme tilbake i kommuneproposisjonen med en vurdering av kriteriene for nabo og sone i lys av kommunereformen. Her fortjener både departementet og komiteen ros for vilje til å rydde opp i den knipa nye Indre Fosen var havnet i. Vi er derimot ikke helt tilfredse med at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett økte innslagspunktet for refusjonsordningen for ressurskrevende brukere med 50 000 kr utover pris- og lønnsveksten. Det er i realiteten å svekke ordningen. Denne ordningen er svært viktig for de aller mest hjelpetrengende som kommunene har ansvaret for. Hvorfor trekker jeg fram dette punktet da? Fordi vi har gått inn i et budsjettforlik. Som sagt, det er å gi og ta, men vi har samlet oss om et forslag om en utredning av denne ordningen med sikte på å ivareta brukerne best mulig. Vi kan også nevne stikkordet «valg» og hvordan vi gjennomfører valg for synshemmede. Vi kan nevne stikkordet «Sametinget» og budsjettet der. Det er nok å ta fatt i. Vi er glade for og tilfredse med å ha vært en del av dette budsjettforliket. Det blir replikkordskifte. Kristelig Folkeparti er i utgangspunktet et parti som har et stort og

første spørsmål til Kristelig Folkeparti gjelder medmenneskelig politikk: Synes Kristelig Folkeparti de har fått godt gjennomslag knyttet til å styrke tilbudet for ressurskrevende brukere i kommunene gjennom det budsjettet som er lagt fram? Mitt andre spørsmål er: Mener Kristelig Folkeparti at regionale utviklingsmidler er prioritert godt nok for å skape nye og gode arbeidsplasser så folk kan bo og leve sitt liv i hele

Kristelig Folkeparti hadde et svært beskjedent forslag til økte rammeoverføringer til kommunene i sitt budsjettforslag, og det ble enda mindre etter budsjettforliket med regjeringspartiene. De andre opposisjonspartiene har lagt inn vesentlige økninger på dette området. Tilbakemeldingen fra Kommune-Norge er et entydig varsel om at uten økninger vil årets budsjett gi problemer med å opprettholde

I disse dager er også lokalpolitikere over hele landet opptatt med å behandle budsjettet for 2018. Både nasjonalt og lokalt deler vi mange ambisjoner. Vi ønsker trygge oppvekstvilkår, gode barnehager og skoler som gir muligheter for alle, gode arbeidsplasser som gir velferd for hver enkelt og for fellesskapet, helse- og omsorgstjenester med god kvalitet, et sosialt sikkerhetsnett som fanger oss opp hvis vi faller, og som gir oss nye muligheter. Vi ønsker sterke, levende lokalsamfunn i hele landet. De rammene vi legger i behandlingen av budsjettforslaget i dag, avgjør om det er mulig å realisere disse ambisjonene. Regjeringen har i fire år sørget for en god og forutsigbar kommuneøkonomi, med en sterkere realvekst enn i de Kommunene har gode resultater å vise til, og det er færre kommuner på ROBEK-listen enn noensinne. Men vi er de første til å erkjenne at mer penger ikke er nok til å løse dagens og morgendagens utfordringer. Når oljeinntektene går ned, velferdsutfordringene går opp og folks forventninger øker, er det ingen som kan betale seg ut. Vi må først og fremst sørge for vekst og flere trygge arbeidsplasser. Vi må sørge for fornyelse og forbedring i både stat og kommune. Derfor må budsjettdebatten handle om mye mer enn kroner og øre. Kommune- og regionreformen har gitt oss en mer fremtidsrettet struktur, med en kommunesektor som kan gi gode tjenester og drive frem en positiv samfunnsutvikling. Lokalpolitikere fra alle partier har sett utfordringene og grepet mulighetene. Blant dem er over 30 Arbeiderparti-ordførere og om lag 20 ordførere fra Senterpartiet. Mens opposisjonen i Stortinget har diskutert reversering, sørger lokalpolitikerne for modernisering. Og lokalpolitikerne har en regjering som spiller på lag med dem. Kommunereformen vil fortsette, også i denne perioden, og vi skal gi kommunene verktøy til å digitalisere og styrke kompetansen lokalt. Kanskje er det ikke tilfeldig at det er folkevalgte og ansatte i kommunene som går foran i arbeidet med å sørge for en mer bærekraftig velferd. De vet at når sentrale politikere lover bedre tjenester, er det ofte de som må gjøre jobben. De har nok hørt løfter om mer penger før. De vet likevel at uansett regjering har de måttet prioritere og gjøre krevende valg mellom mange gode formål. Slik vil det også være i fremtiden. Som nasjonale politikere bør vi ha høyere ambisjoner enn å overby hverandre både i penger Vi må sørge for rammer som gjør det mulig for kommunene å levere på de store oppgavene de har. Vi må være villige til å gjennomføre reformer som er viktige på lang sikt, selv om det koster noe på kort sikt. Jeg er glad for at regjeringen og samarbeidspartiene er enige om at kommunereformen skal fortsette, og at regionreformen gjennomføres. I tillegg må vi sørge for at kommunene ikke bare har økonomi, men også handlingsrom, til å løse de store velferdsoppgavene de har. Da må vi ikke detaljstyre og overadministrere. Jeg har tillit til at lokale folkevalgte ønsker det beste for sine lokalsamfunn, sine naboer, venner, bekjente og familie. Vi må sørge for at de også har rom til å finne de gode løsningene. I morgen vil jeg få en rapport med en gjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren. Jeg kan allerede i dag røpe at omfanget er enormt. Ansatte og folkevalgte i kommunene må bruke store økonomiske ressurser på å søke om tilskudd og rapportere om sine gjøremål. Det er bygd opp et stort statlig byråkrati for å håndtere de øremerkede tilskuddene. Det er lite rom å tilpasse tjenestene til lokale eller individuelle behov, staten har definert hva man skal gjøre, og hvordan. Statlig detaljstyring gjør handlingsrommet stadig mindre og frustrasjonen blant lokalpolitikerne stadig større. Som en sjef for en psykisk helsetjeneste sa: «Jeg vil ikke utsette verken brukere eller ansatte for flere kortsiktige statlige prosjekter. Det vi trenger, er rom for å lage gode tjenester som passer for oss, og som står seg over tid.» Dette må vi i fellesskap gjøre noe med. Her må det bli mer rom for gode lokale løsninger, mindre statlig detaljstyring og mer tillit til dem som skal gjøre jobben. Det blir en viktig oppgave for oss i tiden fremover. Det er også viktig at vi har en kultur for kontinuerlig fornyelse både stat og kommune. Derfor har vi laget og publisert analyser som viser hvordan kommunene kan lære av de beste når de skal organisere sitt velferdstilbud. Dette kan frigjøre betydelig mer ressurser til bedre tjenester enn selv opposisjonspartiene lover. Men «dette handler om mennesker og ikke milliarder», sa Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, da vi offentliggjorde effektivitetsanalysen. Ja, og nettopp Ja, og nettopp derfor er dette så viktig. Fordi det er barn, unge og eldre som er avhengige av de tjenestene kommunene leverer, må vi sørge for at de er best mulig. Og nettopp fordi de offentlige tjenestene er så viktige for folk, må vi fortsette arbeidet med å fornye, forenkle og forbedre dem. Et av de viktigste tiltakene vi har iverksatt, er store investeringer i digitalisering i både stat og kommune. Vi innfører digital post i staten, og vi har digitalisert tinglysningen, tjenester i Husbanken, skattemeldingen, og vi er godt i gang med hele byggesaksprosessen. Dette gjør hverdagen enklere for brukerne, og det frigjør tid og kapasitet for ansatte. Vi har etablert en medfinansieringsordning for små og mellomstore digitaliseringsprosjekter. Bare denne satsingen har de siste to årene sikret realisering av 26 prosjekter, som har en samfunnsøkonomisk nytteverdi på hele 11,4 mrd. kr. For neste år får vi på plass en finansieringsordning som vil bidra til raskere og bedre utvikling av digitale verktøy

Men det er verdt å merke seg at veksten nå går opp, og at arbeidsledigheten går ned i hele landet. Sysselsettingen øker i nesten samtlige fylker. Nord-Norge er nå en vekstmotor for hele landet. Når venstresiden slår seg på brystet med at de vil dele ut mer offentlige penger, sender de regningen til dem som skaper verdier, og som er i jobb. De vil først trekke inn mer skatt fra folk og bedrifter i distriktene, for så å dele dem ut og ta æren for det. En politikk der skatt på arbeid og verdiskaping stadig må økes for å finansiere stadig større offentlige utgifter, er ikke bærekraftig. En slik politikk vil på sikt ramme dem som trenger velferdstjenestene aller mest. Vår politikk er å la bedrifter og folk er å la bedrifter og folk få beholde mer av de verdiene de skaper, slik at de kan investere i vekst og velferd. Det er derfor gledelig at vi har fått flertall for endringer i den såkalte maskinskatten. Dette betyr at mange bedrifter får større rom til å investere i nye arbeidsplasser i lokalsamfunn i hele landet. Sammen med store investeringer i samferdsel, forskning og utvikling legger det grunnlaget for sterke distrikter og bærekraftige byer. Når markedet svikter, er det likevel viktig å ha ordninger som sikrer gode tjenester i hele landet. Merkur-programmet, som også representanten fra Kristelig Folkeparti viste til, er en slik ordning, som legger til rette for at det finnes nærbutikker også i sårbare lokalsamfunn. Jeg er derfor glad for at vi sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre har blitt enige om å styrke denne ordningen. Det blir replikkordskifte.

Det er det som gjelder kommunesektoren. Så lurer jeg på om lønnsutviklingen for statlige toppledere, som var på 7,9 pst. i 2015 og på 4,8 pst. i 2016, i en periode da alle andre lønnsmottakere viste moderasjon, er noe statsråden slår seg på

Hvis vi ser på veksten i alt for de frie inntektene, var den på 1,8 pst. i de rød-grønne årene og på 1,9 pst. fra 2013 til 2017. Også for representantens egen hjemkommune, Gran, har det vært en sterkere vekst under borgerlig styre enn det var da Arbeiderpartiet selv satt i regjeringskontorene. En KS-undersøkelse som ble presentert under komiteens høring, viste at det er over 100 flere kommuner som anser å ha et større økonomisk handlingsrom i 2016 enn de hadde i 2013. Dette viser at det har blitt bedre økonomisk handlingsrom, men som jeg sa i mitt innlegg, penger er ikke nok, kommunene er også nødt til å fornye og effektivisere. Da lar jeg statsråden få lov til å svare på det andre spørsmålet jeg stilte. Jeg registrerer at han ikke vil svare for 2018 når han presenterer tall for vekst i kommunesektoren – det er det jo en grunn til. Men da spør jeg igjen: Er statsråden fornøyd med den veksten som har vært i lederlønninger i offentlig sektor, som statsråden har ansvaret for, på 7,9 pst. i 2015 og 2016? Er det en villet vekst, eller er det statsråden som ikke har kontroll? Det er viktig at staten er en moderne og Vi har også vært veldig tydelige på at vi skal rekruttere noen av de beste lederne til offentlig sektor. Samtidig er vi også veldig tydelige på at lederlønningene over tid skal være innenfor frontfag – det ligger i bunnen. Men fra et år til et annet kan det variere. Blant annet var veksten i 2016 til gjennomføringen av politireformen, hvor det ble langt færre politimestre, men da med noe høyere lønn. Men over tid skal også lederlønningene i staten være innenfor frontfag.

Og videre: «Stortinget ber regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for kommunene skal sikre likeverdige muligheter til å utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som element i videreføring av kommunereformen.» Regjeringen sier at man i kommuneproposisjonen for 2019 vil komme tilbake til hvordan det videre arbeidet med endringer i kommunestrukturen kan legges opp. Stortingets vedtak vil selvsagt ligge til grunn for regjeringens forslag. Hvilke tiltak ser statsråden for seg kan være aktuelle å bruke når bruk av tvang og endringer i inntektssystemet ikke lenger er til rådighet i videreføring av kommunereformen? Nå er vel tiden snart inne til at Senterpartiet legger valgkampen bak seg. Reverseringsbudskapet til Senterpartiet ble et gedigent Kommunereformen gjennomføres, og om lag 20 Senterparti-ordførere gjennomfører nå kommunesammenslåing med gjensidige vedtak. Det bør være et paradoks for Senterpartiet nasjonalt at Senterpartiet lokalt er fremtidsrettet, pragmatisk, finner gode løsninger, bygger nye kommuner og gjennomfører kommunereformen. Ja, vi har gjennomført endringer i inntektssystemet, men det har ikke noe med tvang å gjøre.

Flere vil kunne klare seg godt og delta i verdiskapingen, akkurat som OECD sier til Norge i sine rapporter. Men jeg festet meg med noe av det statsråden sa, at lokalpolitikere står i krevende valg mellom viktige områder. Da er det viktig å sikre at det som er lovpålagt, faktisk blir gjennomført.

Tvert imot er det slik at små forskjeller er en felles verdi som står sterkt i det norske samfunnet. Når vi satser på arbeid, når vi satser på skole, handler det om å løfte mennesker. Når vi gjennomfører kommunereformen, er det for å unngå at det skal bli større forskjeller mellom kommunene. Realiteten er at uten en kommunereform ville vi risikere å få et et helsepolitisk klasseskille mellom de kommunene som har kompetanse, som har sterke fagmiljøer, som kan gjennomføre den politikken som det er flertall for i Stortinget, og de kommunene som ikke har det. Så både kommunereformen og den økonomiske politikken handler om å skape muligheter for alle. Med SVs politikk med mer øremerking er det de sterkeste og største kommunene som har ressurser til å søke om tilskudd. Det er også med på å skape forskjeller. Da er taletiden ute. Neste replikant er Ketil Kjenseth. Først takk til statsråden for et godt samarbeid og for at vi trekker Norge i riktig retning. Det er bra vekst i kommuneøkonomien. Men det er også betydelig vekst i en annen del av kommunesektoren, og det er innenfor lover, forskrifter, reguleringer og øremerkinger. Jeg har spurt meg litt for oppigjennom de siste årene om noen kan gi meg et svar på hvor mange det er. Det klarer ingen å gi et svar på, men et sted mellom 5 000 og 7 000 er anslaget jeg får. Det høres litt mye ut. Oppi det hele hele er antallet jurister i norske kommuner på et minimum. Særlig i de minste kommunene er det svært få. Jeg hører statsråden i morgen får en rapport om øremerkinger, og det er jeg veldig glad for. Men hva med et utvalg for å frigjøre lokaldemokratiet fra den tvangstrøya som jeg tror mange lokalpolitikere opplever – at det er liten vits i å sitte i et lokalt … Da er det statsråd Jan Tore

Derfor er jeg veldig glad for den rapporten vi får i morgen. Nå skal ikke jeg røpe hva som ligger der, men jeg tror det kommer til å overraske mange, for det er et enormt omfang av øremerkede tilskudd. Det er store ressurser som går gjennom de øremerkede tilskuddene. Man kan også se på i hvilken grad man oppnår de målene som har vært med tilskuddene. Man ser også hvor store ressurser det brukes i byråkrati både nasjonalt og lokalt for å kunne utkvittere tilskuddene. Ja, man kan godt se på om det er hensiktsmessig å sette ned et utvalg , men det viktigste er at vi gjør jobben. Replikkordskiftet er omme. I dag behandler vi kommunalbudsjettet for 2018, det budsjettområdet som vil påvirke hverdagen til alle som bor i Norge. Det er

Veksten ville da blitt fordelt med 2 mrd. kr til kommunene og 1 mrd. kr til fylkeskommunene. En slik økning ville ha bedret kommunenes økonomi, og det kunne ha styrket tjenestetilbudet ytterligere i året som kommer. Innenfor kommunerammen prioriterer Arbeiderpartiet en lang rekke tiltak som ville gitt bedre velferdstjenester på mange av områdene i kommunesektoren. Vi prioriterer mer penger til barnehagene. Vi holder prisene på dagens nivå, slik at alle kan ha et rimelig og godt tilbud, vi sørger for flere plasser, og vi trapper opp med mål om at halvparten av alle barnehageansatte skal være barnehagelærere – altså en kvalitetsreform. I tillegg vil vi ha en sterkere satsing på kvalitet i skolen. Vi prioriterer 1 000 flere lærere, og vi vil innføre en lese-, skrive- og regnegaranti og gjennomføre et digitalt løft i skolen. Arbeiderpartiet vil også ha et folkehelseløft for barn og unge. Vi vil at det skal være en times fysisk aktivitet for alle skolebarn, vi vil innføre et enkelt skolemåltid, og vi vil at det skal ansettes flere helsesøstre, slik at det blir tilgjengelig skolehelsetjeneste hver eneste dag på skolen. En viktig forutsetning for at folk skal kunne bo og leve sine liv i små og store kommuner, er at en fører en aktiv distriktspolitikk som sikrer bosetting, næringsutvikling og gode velferdstjenester. Arbeiderpartiets politikk ville gitt nye arbeidsplasser og en god og forutsigbar finansiering av kommunene, som sikret gode lokalsamfunn rundt omkring og i nærmiljøet – både i distriktene og i byene – hvor alle opplevde et godt og tilgjengelig velferdstilbud med gode skoler, trygg eldreomsorg og kvalitet i helsetjenestene. Dette er gammelt slagord fra Arbeiderpartiet: «By og land hand i hand.» En aktiv og god distriktspolitikk er helt nødvendig for våre framtidige vekstnæringer for å dempe presset på byene, for å gi folk reell valgmulighet om å bo i alle deler av landet. Det er grunnlaget for å ta vare på det Norge vi i dag kjenner. Arbeiderpartiet mener at Norge trenger sterkere lokalsamfunn og sterke regioner. Det er derfor vi i vårt alternative budsjett for 2018 har valgt å styrke satsingen i de ulike regionene. Når Arbeiderpartiet da styrker kommuneøkonomien med 3 mrd. kr utover regjeringens bevilgninger, er det fordi vi tar kommunene og fylkeskommunene på alvor. Regjeringens økonomiske opplegg er i beste fall nullvekst for sektoren i kommende år – etter at utgiftene til befolkningsvekst og pensjon er betalt og regjeringens egne satsinger er gjennomført. Et svakt økonomisk opplegg fra regjeringen gir lite rom for å satse på de aller yngste og de eldste.

Så få kommuner har det aldri vært på ROBEK-listen tidligere. Det sier ganske mye om kommunenes forbedrede muligheter. Men like fullt, og ikke uventet, skal opposisjonen svartmale situasjonen. Arbeiderpartiet skriver i sine merknader at vi nok en gang leverer et svakt kommunebudsjett. Det de verken ville eller klarte da de selv satt i regjering, har vi fått til, men det har plutselig blitt viktig for dem nå. Det er derfor gledelig å kunne si til Arbeiderpartiet at de Det er derfor gledelig å kunne si til Arbeiderpartiet at de kan slappe av – vi har full kontroll, og vi har fikset det de selv ikke klarte. I norsk politikk er det i altfor stor grad en konkurranse om å bruke mest penger. Det er om å gjøre å skryte av hvem som har satt det høyeste tallet på en eller annen budsjettpost. Dessverre er ikke økt pengebruk noe godt tegn i seg selv. Det trenger ikke å være noen sammenheng mellom det å bruke mest penger og det å levere de beste tjenestene. Når denne regjeringen kan skryte mer av gode resultater enn av høyest pengebruk på en rekke områder, er det et godt tegn. Effektivisering kommer til å bli nøkkelen til vellykkede kommuner i framtiden. Effektivisering betyr ikke færre ansatte, mindre tjenester eller dårligere arbeidsforhold. Det betyr at effektive kommuner får mer ut av hver krone. Det betyr flere tjenester og bedre tilbud, ikke dårligere. Dette handler om å jobbe smartere, henge med i utviklingen og lære av hverandre. Det handler om å ha respekt for innbyggernes skattepenger og unngå sløsing. For Fremskrittspartiet er avbyråkratisering og effektivisering viktig. Det er ikke bare frustrerende for bedrifter og privatpersoner å bruke enormt mye tid, penger og krefter på unødig byråkrati, det går også på bekostning av produktivitet og vekst. Alle parter tjener på dette arbeidet – så langt har næringslivet spart 15 mrd. kr, og staten sparer 2,3 mrd. kr på mindre byråkrati. Dette betyr i praksis en enklere hverdag for folk flest. Regjeringen satser på en fortsatt trygg kommuneøkonomi. Viktige områder blir prioritert, som skolehelsetjeneste, helsestasjoner, rusomsorg og tidlig innsats i skolen. Samtidig gjøres det viktige grep for å sikre norske arbeidsplasser og utvikling av nye næringer. Avvikling av eiendomsskatten for verk og bruk er et viktig skritt i retning av en mer rettferdig og Det er forutsigbart at opposisjonen kritiserer dette og mener det vil gå ut over kommunenes velferdstilbud. Til dette må man si at kritikken er fantasiløs og feilslått. Kommunene kan ikke basere sine inntekter på skatter som i realiteten er med på å forhindre vekst og nye næringer. Med grepene regjeringen nå gjør, vil kommunene få en god overgangsordning samtidig som kommunenes inntekter blir trygget gjennom utvikling og vekst i den enkelte

og flere år med trygg og god styring av kommunesektoren har satt alle disse kommunene i stand til å få kontroll på økonomien og starte en ny kommune som er rustet for framtiden. Det har vært godt å være lokalpolitiker under denne regjeringen.

Kommunebudsjettene og fylkesbudsjettene griper rett inn i folks hverdagsliv. Kommune- og fylkesbudsjettene handler om omsorgstjenester, helsetjenester, skoletilbud, barnehagetilbud, næringsutvikling og jobbskaping, og det handler om klimautfordringer og miljøutfordringer. Det er slik at det er ute i kommunene og fylkene alle disse oppgavene skal løses. Det er der folk bor, det er der folk lever, og det er der tjenestene skal leveres hver dag, døgnet rundt og året rundt – en formidabel oppgave, som er selve grunnplanken i vårt velferdssystem. Da vil jeg passe på å gi honnør til alle de som sørger for at dette faktisk skjer, alle de som jobber ute i kommunene hver dag med alle disse oppgavene. Det er også på sin plass å gi honnør til de som er folkevalgte, de som ta beslutninger ute i kommunene og sørge for at dette faktisk går rundt, som jobber godt og er dyktige, og ikke minst til alle de som jobber ute i kommunene og sørger for at det er aktivitet også etter at rådhuset har stengt døra. Jeg snakker om frivilligheten i båtforeninger, i idrettslag, i korps – hva det måtte være. Disse menneskene legger ned enormt med ressurser for at det skal være noe nyttig å ta seg til, spesielt for ungdommen, også etter stengetid. Så koster det å drive alt dette. Arbeiderpartiet legger mer penger på bordet fordi vi mener at vi må prioritere det viktigste først. Da kommer skole, omsorg og helse aller, aller først. Det er grunnleggende at dette fungerer, og at kommunene har muligheter til å gjennomføre dette. Derfor prioriterer vi det også sterkt. Jeg hører statsråden og regjeringspartiene skryte uhemmet av sin satsing på kommuneøkonomien – det er ikke måte på hvor mye penger de bruker, og hvor historisk alt dette er. Mange kommuner fikk et overskudd, dels som en følge av skattereformen, dels som en følge av at regjeringen bommer på skatteanslagene, det kommer inn mer penger. Statsråden og dere andre skjønner nok innerst inne at å sette slike ekstra engangspenger inn i driften ikke er særlig bærekraftig, og det gir ikke grunnlag for en stabil og god drift. Jeg tror at statsråden og de andre representantene, spesielt de som sitter i bystyrer og kommunestyrer, skjønner at det er ufornuftig å sette slike ekstrapenger inn i varig drift. Budsjettforslaget for 2018 er ikke oppløftende for flertallet av kommunene i dette landet. Jeg har sett på mitt eget fylke, Østfold, hvor 13 av 18 kommuner får 2,5 pst. eller mindre i økning. Det betyr ganske enkelt at kommunestyrene må starte med å kutte i tjenestene til innbyggerne, for det møter ikke engang lønns- og prisstigningen. Det betyr kutt før man får Det er dette de sitter og gjør, som statsråden var inne på, der ute i kommunene nå. Det sitter svært mange og kutter fordi de ikke engang blir møtt med en økning som tilsvarer lønns- og prisstigningen. Arbeiderpartiet har en annen politikk. Vi har andre prioriteringer, som ville ha styrket kommuneøkonomien, som ville ha styrket fylkeskommunene. Akershus ville fått 62 mill. kr mer, Østfold 32 mill. kr mer, Finnmark 36 mill. kr, Oslo 68 mill. kr, og Rogaland 58 mill. kr mer – penger til kollektivtrafikk og til videregående skole, for å nevne noe. Østfold-kommunene ville altså med vårt forslag fått 105 mill. kr mer til fordeling, Akershus 231 mill. kr, Telemark 65 mill. kr, Rogaland 178 mill. kr og Hordaland 194 mill. kr mer i disse fylkene – til skole, til barnehager, til eldreomsorg og til helse. Det er i sannhet forskjell på politikken og prioriteringene. De blå-grå har sine prioriteringer, og Arbeiderpartiet har sine. Det er ingen tvil om hvilket budsjettforslag som hadde tjent innbyggerne best, men vårt alternativ får

minutter. Bolig er sammen med arbeid, utdanning og helse de fire grunnpilarene i velferdsstaten. Norsk boligpolitikk har vært vellykket, de aller fleste bor i egen bolig, og Norge har en av verdens beste boligstandarder. Et eget sted å bo til en overkommelig pris er for mange avgjørende for om de kan leve et selvstendig og godt liv. Det er derfor en viktig politisk oppgave å legge til rette for at det bygges nok boliger. Hovedproblemet i dagens boligmarked er at det bygges for få boliger, særlig i pressområdene. Det kan ikke være sånn at folk som har jobb som lærer eller sykepleier, ikke skal kunne bosette seg i et rekkehus på østkanten her i byen. Boligpolitikk handler om hvor vi bygger boliger, og hvordan vi gjør det. Det handler om både kvalitet og beliggenhet. Befolkningen vokser raskt, og innen 2030 vil Norges befolkning ha vokst fra fem millioner til seks millioner innbyggere. Urbanisering er en av de internasjonale trendene. Verden over flytter folk inn til byene for å bo og jobbe. Det mest miljøvennlige vi kan gjøre, er å bo i by. Byene er med på å redusere nasjoners klimagassutslipp. Vi må bygge smarte byer, vi må fortette langs kollektivknutepunkt og ha en areal- og transportutvikling der busser og trikker går ofte nok, slik at vi kan reise miljøvennlig og effektivt til jobb og hjem igjen. Samtidig må vi styrke bygdene våre. Da er bredbåndutbygging avgjørende. Arbeiderpartiet har satset på det i sitt budsjett for 2018. Boligene må ha en standard som gjør at vi kan bo lenge i husene våre. Derfor ønsker vi i Arbeiderpartiet å ta initiativ til et eldreprogram og lage boligtilbud slik at generasjoner kan dra nytte av hverandre. Arbeiderpartiet er skeptisk til å svekke krav til tilgjengelighet i boliger. Arbeiderpartiet ønsker å stille strengere krav til kommunene og sikre raskere prosesser og boligbygging. Vi mener det er riktig å etablere et forpliktende samarbeid om boligpolitikk mellom staten og landets største kommuner. Arbeiderpartiet er opptatt av å koble Husbanken tettere sammen med de største kommunene. Arbeiderpartiet ønsker også å sørge for flere leie-til-eie-ordninger i samarbeid med private utbyggere, boligbyggelag, kommunene og Husbanken. Ekstra innsats fra stat og kommune i utvalgte nabolag har hatt som mål å bidra til nærmiljøer der folk skal trives bedre. Lokale møteplasser er med på å skape trivsel og samhold i et nabolag. Vi har bidratt med midler til opprustning av parker, lekeplasser, gårdsrom, gangveier samt gratis deltidsplass i barnehager og AKS for alle som bor i utvalgte utsatte boområder både i Oslo og i andre byer i Norge. Arbeiderpartiet går inn for på områdesatsinger. Derfor har Arbeiderpartiet gått inn for å styrke potten til områdesatsing med 52 mill. kr. Vi må evne å bygge gode nabolag slik at vi alle kan leve gode liv der vi

I tillegg er me einige om at dei kommunane som slår seg saman, og som tapte på endringane i basistilskotet og småkommunetilskotet i inntektssystemet frå 2016 til 2017, vert kompenserte for dette gjennom ei eiga overgangsordning frå 2017 og fram til samanslåinga trer i kraft i 2020. også halde utanfor inntektsutjamningsordninga. Dette var eit sterkt ønske frå dei kommunane dette gjeld, og som har vist veg i kommunesamanslåingsarbeidet. Kommunane har dei seinare åra hatt ei god økonomisk utvikling. Realveksten per innbyggjar var årleg gjennomsnittleg 0,6 pst. i åra 2005 til 2013, mens ein anslo 50 pst. meir i i gjennomsnitt i perioden 2013 til 2017. Det vitnar om at regjeringa og samarbeidspartia har levert på kommuneøkonomi. Det er mange gode eksempel på dette – f.eks. Trondheim, som hadde ein reduksjon i inntektene under dei raud-grøne, og som får ein vekst på 1,2 pst. per innbyggjar med denne regjeringa. Det er underleg å høyra representanten Lauvås, som som kritiserer opplegget til regjeringa. Han gjev riktig nok honnør til tilsette ute i kommunane, og det kan eg gje han stor støtte i, men det er altså slik at kommunen som Lauvås kjem frå, har fire gonger så høg vekst i inntekter per innbyggjar med denne regjeringa samanlikna med i dei raud-grøne si regjeringstid. Eg kunne tenkt meg at han òg hadde skrytt av både regjeringa og samarbeidspartia når han eigentleg eigentleg har så flott vekst i økonomien i kommunen sin. Kommunesektoren hadde i 2016 det sterkaste driftsresultatet på ti år, og det har aldri vore registrert så få kommunar i ROBEK-registeret som i 2017. Dette lovar svært godt. Me kan trygt slå fast at kommuneøkonomien er i god forfatning, men kommunane må sjølvsagt sørgja for å fornya seg, forenkla og forbetra tenestene sine. Eg håpar at me i åra som kjem, også kan ha stort fokus på kommunestrukturendringar. Det trur eg er viktig for å sikra gode tenester i kommunane. Eg håpar òg at me kan få eit godt samarbeid med regjeringa for å finna gode incentiv som styrkjer nettopp dette arbeidet i åra som kjem.

Viss me tek utgangspunkt i det siste raud-grøne budsjettforslaget, i 2013, har me fem år på rad lagt til meir pengar. Ein syntest at eige opplegg var bra, det høyrde ein i debatten i forkant av statsbudsjettet 2013 – då var ein veldig fornøgd med eige opplegg. Me har teke utgangspunkt i dei pengane kommunane har fått, og auka fem gonger. Viss ein då set merkelappen forferdeleg dårleg på det, trur eg ein berre sender ut signal til befolkninga i Norge om at her er ein meir oppteken av å svartmåla enn å ha eit realistisk anslag for kva ein faktisk snakkar om. Kommunane har fått solide overføringar i denne perioden. 2016, som har vore nemnt mange gonger, har vore eit solid og godt år. Ein må tilbake til 1990-talet for å finna eit liknande år. Det blir rett og slett for dumt å seia at det er forferdeleg dårleg.

Eg sit sjølv i eit kommunestyre og var torsdag med på ein kommunebudsjettdebatt. Det var ikkje diskusjon om kvar ein skal kutta, men kvar ein skal plussa på, og det i ein kommune som klarer seg utan eigedomsskatt, men likevel leverer gode tenester i eldreomsorga – som eg har registrert har vore eit stort tema i debatten i dag. Det er inga hemmelegheit at me i Framstegspartiet er imot eigedomsskatt. Det handlar om at den skatten er sosialt urettferdig, han rammar alle, uavhengig av kva ein har av betalingsevne. Han går på storleiken på bustaden, og summane begynner å bli enorme. Difor er me frå denne salen nøydde til å gjera avgrensingar. Ambisjonen til Framstegspartiet er at me skal klara oss utan eigedomsskatten, som berre utgjer 1,5 pst. av inntektene på bustad. Det kan ikkje vera det som veltar eit stort lass.

I arbeidet med regional utvikling blir det store kutt som følge av reduserte overføringer fra staten. Senterpartiet mener det er nødvendig med et løft i overføringene til fylkeskommunene, særlig for å dekke de store utfordringene på samferdselsområdet. Transportetatene sier i sitt forslag til Nasjonal transportplan at det trengs årlige bevilgninger på mellom 1,5 og 2 mrd. kr for å ta igjen Av økte overføringer til fylkeskommunene på 1,5 mrd. kr i vårt alternative budsjett har vi satt av 1 mrd. kr til opprustning av fylkesveier – som en start. Senterpartiet har tidligere i debatten understreket de negative konsekvensene av at det i 2018 foretas store kutt i overføringene til regional utvikling gjennom fylkeskommunene. Fylkenes rolle som samfunnsutvikler styrkes ikke, men svekkes. Dette er realiteten, til tross for påstandene om det motsatte fra budsjettkameratene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Disse partiene påstår i Innst. 49 S for 2017–2018, som Stortinget behandlet 7. desember i år, at «fylkene har fått vekst i bevilgninger til fylkesveier som overstiger reduserte overføringer til regional utvikling». Dette kan ikke jeg finne belegg for i det budsjettet vi har til behandling, eller i Fylkeskommunene får tvert imot en rammeøkning i år på 100 mill. kr når vi tar bort midlene som er avsatt til båt- og ferjedrift. Det er kuttet 310 mill. kr til regional utvikling, etter at Venstre og Kristelig Folkeparti fikk redusert regjeringens kutt med 20 mill. kr. I budsjettet for inneværende år var det satt av 200 mill. kr til fylkesveiene i regjeringens budsjett, mens kuttet i de regionale utviklingsmidlene Det gis også bevilgninger til opprustning og fornying av fylkesveiene over Samferdselsdepartementets budsjett. Midlene som fordeles for 2018, er imidlertid mindre enn det som ble fordelt for 2017. Hvor er den påståtte veksten? Bygging av nytt regjeringskvartal vil bli et av de største enkeltstående byggeprosjektene i Norge i de nærmeste Jeg ber statsråden merke seg de synspunktene som flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen gir uttrykk for i innstillingen. Representantene fra flertallet sier at regjeringskvartalet må planlegges som et signalprosjekt, hvor det legges vekt på klimavennlige løsninger og på å bidra til utvikling av norsk leverandørindustri. Bruk av trebaserte materialer vil være sentralt i denne sammenheng, sier flertallet. Jeg håper det blir imøtekommet.

og derfor sørge for at kommunene har handlefrihet til å løse de viktige oppgavene de skjøtter i dag, og skal fortsette å skjøtte framover. Etter å ha undervist i stats- og kommunalkunnskap og etter ti år som lokalpolitiker, kjenner jeg betydningen av at staten verdsetter og legger til rette for den jobben kommunene gjør som velferdsleverandør, men også som myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Kommunene har siden annen verdenskrig fått flere og flere oppgaver fra staten. God kommuneøkonomi er viktig ikke bare for gode skoler, barnehager og eldreomsorg, men også for de andre funksjonene kommunene ivaretar – ikke minst det lokale selvstyret. Hvis ikke kommunene har rom for å prioritere, men styres ovenfra med regulering og øremerking, svekkes viljen til å ta aktiv del i utformingen av lokalsamfunnene. Men sørger denne regjeringen for at kommunene har evne til å holde tritt med økende oppgaver? Sanner varslet i sitt innlegg i dag kommunene om at de må forberede seg på dårligere tider framover. Han maner til å fornye og effektivisere, og han vil redusere skattene. Jeg vet at kommunesektoren kontinuerlig jobber for å innovere, drive kostnadseffektivt og tilrettelegge for næringsutvikling. Det må fortsette. Likevel er det åpenbart slik at frie inntekter fra staten er og kommer til å være kommunenes viktigste inntektskilde framover. Det lover derfor ikke godt at rammene regjeringen tilbyr kommunene, er for svake allerede i 2018. Mange kommuner har realnedgang i sine frie inntekter, fordi inntektsveksten ikke holder tritt med kostnadsutviklingen. Arbeiderpartiet ser kommunenes behov og styrker kommunesektoren med 3 mrd. kr i sitt budsjett. Vi har en rekke satsinger som bedrer økonomien og styrker tjenestetilbudet. For å trekke fram ett veldig viktig område: grunnskolen. Regjeringen har nå motvillig gått med på flere lærere i skolen, men det er usikkert om og hva kommunene må finansiere av dette selv. Arbeiderpartiet har lagt inn 1 000 nye lærere i 2018. Det uroer meg at vi alt i alt har en regjering som snakker om robuste kommuner, men som ikke for alvor prioriterer de velferdstjenestene som folk over hele landet bruker. Mangler vi et godt sted å bo, er

og flere får oppleve den egenverdien og forutsigbarheten det gir å eie sin egen bolig. Da Høyre kom inn i regjeringskontorene i 2013, var igangsettingen av nye boliger for lav. Vi har gjort det enklere, raskere og rimeligere å bygge boliger. Nå er boligbyggingen på det høyeste nivået på flere tiår. Planprosessene er blitt raskere og mer effektive, og vi har forenklet de tekniske forskriftene, som får ned kostnadene uten at det går på bekostning av kvaliteten. Men vi er ikke i mål. Vi skal fortsette å digitalisere og rydde i regelverket, slik at det blir lettere både å bruke og å forstå. Enklere regler gir mindre byråkrati, mer effektive prosesser og reduserte kostnader. Digitalisering gir høyere effektivitet, færre feil og kan frigi ressurser som kan brukes til andre viktige oppgaver.

Det er en utvikling som ikke har kommet av seg selv. Vi har målrettet både bostøtten og startlånsordningen, slik at de som trenger mest, også får mest. Vi har rettet opp i feilene som hang igjen fra Arbeiderpartiet, slik at bostøtten nå prisjusteres. Vi har styrket ordningene for lavinntektsfamilier, slik at barn ikke skal vokse opp i fattigdom.

KS skriver videre: «Kommunene trenger omsorgsplasser som møter dagens og fremtidens krav til standard og utforming. Det innebærer at noen kommuner trenger tilskuddsordningen i hovedsak til rehabilitering og standardheving, mens andre trenger den til kapasitetsøkning, avhengig av demografi og omsorgsprofil.» Dette er veldig godt beskrevet av KS. Men

investeringstilskuddsordningen, som blir helt borte etter 2020. KS ber om at kravet til nettotilvekst i det minste må utsettes til 2025 for å gi kommunene mulighet til å tilpasse seg. Det tar jo tid å forberede, planlegge og klargjøre for gode ombyggingsprosjekter. Dette er egentlig et nytt angrep på kommunale rammevilkår, akkurat slik vi ser når det gjelder tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende brukere. For å styrke kvaliteten i den kommunale tjenesten har Arbeiderpartiet også hatt – og har for 2018 – et betydelig bedre kommuneopplegg enn regjeringspartiene. For øvrig – når jeg hører representanter for regjeringspartiene skryte av sine overføringer til Kommune-Norge, er det interessant å observere hvordan de helt unngår å nevne at de bruker langt over 100 mrd. mer av oljefondet enn de rød-grønne kunne gjøre da vi var i regjering. Hvorfor unngår de det? Jo, fordi det langt fra er kommunene som har vært budsjettvinnerne med Høyre og Fremskrittspartiet. Kommunene burde hatt mange flere milliarder mer til økt aktivitet og kapasitet, med alle pengene Norge har, og fortsatt har, til rådighet. Det minste å forlange er at staten fortsatt bidrar med å modernisere bygg for våre trengs nybygg og økt kapasitet. Gjennom generasjoner har vi bygd opp et solid velferdssamfunn å være stolt av. Det er vår oppgave å føre dette videre og sørge for at vi også gjennom dette budsjettarbeidet legger et godt grunnlag for å løse de utfordringene vi står overfor, og sikrer en bærekraftig velferd for framtida. Olje- og gassinntektene har gått ned. Det økonomiske handlingsrommet blir mindre. Verden forandrer seg med ny teknologi og nye måter å jobbe på. For Høyre er det å få flere i jobb, bedre skole, styrke helsevesenet og sikre helheten i politikken det viktigste også i det budsjettet vi Landet vårt er langstrakt, med store variasjoner og rikt mangfold. Regjeringa og samarbeidspartiene legger vekt på å styrke vekstkraften i hele landet. Satsingen på samferdsel, skatte- og avgiftslettelser, inntektssystemet for kommunene, helsetjenester, utdanning, forskning og innovasjon har stor betydning for å få til en regional utvikling og balanse. Jeg er glad for at arbeidsledigheten nå går ned i alle fylker. Det har vært avgjørende med en næringsvennlig politikk som gir et godt grunnlag for vekst i alle deler av landet. Jeg er særlig glad for at denne regjeringa legger vekt på å redusere avstandsulemper og transportkostnader. Regjeringas storstilte satsing på infrastruktur betyr mye for folk flest og for likeverdige levekår landet over. Ikke minst gjelder det i vår sammenheng satsingen på fylkesveinettet, jernbanen og Opposisjonen har vært opptatt av de regionale utviklingsmidlene og reduksjonen i periodene etter 2013 på 792 mill. kr. Men i samme periode er faktisk satsingen på fylkesveiene trappet opp med nesten 1,4 mrd. kr, og det er lite som binder landet vårt sammen som en god infrastruktur- og samferdselssatsing. Det er god prioritering for Vekstkraftige lokalsamfunn lever av overskudd, ikke av tilskudd, sa statsråden. Vi trenger flere lønnsomme arbeidsplasser i både bygd og by for å opprettholde bosetting og trivsel i hele landet. Regjeringas skattepolitikk, satsing på forskning og innovasjon og gründerstøtte legger godt til rette for det. Jeg er glad for bortfallet av maskinskatten og overgangsordningen knyttet til det, for gjeninnføringen av den differensierte arbeidsgiveravgiften for transport- og energisektoren og ikke minst for at flere statlige arbeidsplasser nå etableres utenfor Oslo. Gjennomføringen av kommune- og regionreformen er et viktig bidrag til å sikre kvaliteten i framtidas tjenestetilbud i Distrikts-Norge. Regjeringa forandrer ikke Norge for å forandre, men fordi Norge er

Men jeg registrerer at ingen av regjeringens representanter eller våpendragere her i salen vil snakke om 2018. Det er et kommunebudsjett som det står i stortingsproposisjonen at vil gi et handlingsrom på 300 mill. kr – så trekker man vekk økningen i egenandel for ressurskrevende brukere, og så er man på null. null. I tillegg kommer det en regning fordi maskinskatten endres, noe som kommunene må planlegge for i framtiden. Så jeg skjønner godt at man ikke ønsker å snakke om 2018, men bruker noen nye beregninger for det vi har lagt bak oss. Jeg har lyst til å si noe om to andre ting. Staten er en stor arbeidsgiver. Statsråden har et stort ansvar for at lønnsoppgjørene i staten bidrar til den samfunnsutviklingen som vi ønsker oss. I tidligere statsbudsjetter har det vært mye dokumentasjon knyttet til dette – i statsbudsjettet. Det er nok rasjonalisert bort. Men det går an å finne tall i andre dokumenter, og jeg må si at jeg er bekymret for den lederlønnsutviklingen som statsråden kommenterte i vår replikkveksling. Det er store lønnspålegg til ledere i staten, og jeg synes at statsråden virker som hun tar noe lett på det. På samme måten er det altså en negativ utvikling når det gjelder likelønn i statlig sektor. Det er ikke bra. Vi trenger en regjering og en statsråd som prioriterer likelønn i lønnsoppgjørene, og det er vanskelig å kunne se at det har skjedd i den siste Til slutt har jeg lyst til å utfordre statsråden til å si noe om en sak som ikke har fått stor oppmerksomhet i dette budsjettet, men som er ganske alvorlig. ESA har tatt opp en sak med Norge der man sier at skattefritaket som kommuner, fylkeskommuner og helseforetak har, skal regnes som offentlig støtte. Dersom ikke regjeringen står imot, vil dette bety en massiv privatisering av offentlig sektor i Norge. Vi tvinges i så fall til å være dem som går først i Europa. Det er det ingen grunn til. regjering som har sagt at man skal bruke handlingsrommet i EØS-avtalen, burde virkelig stå opp for dette, si at det er uaktuelt for Norge å følge det ESA tar opp, og sørge for at vi fortsatt kan drive offentlig sektor på samme måten som vi har gjort før. Dette er alvorlig, og det vil bety mye for hele organiseringen av offentlig sektor hvis vi ikke står opp mot ESA i denne saken. Kommunene er

sliter i dag med psykiske plager. Anoreksi har blitt den tredje vanligste dødsårsaken blant unge jenter i Europa, og flere unge gutter dør av selvmord enn i trafikken. Mange eldre sliter med ensomhet og depresjon. Tunge psykiske lidelser brer om seg. Veldig mange får svært god hjelp i spesialisthelsetjenesten, men der må man være veldig syk for å komme inn, og med de konstante effektiviseringskuttene fra regjeringen må man stadig være enda sykere. Men hva med alle dem som ikke er friske nok til å være friske, men ikke syke nok til å få plass? De får ingen hjelp. Hva med hun som endelig har fått behandling for tunge psykiske lidelser, som skal hjem til kommunen og ønsker å få en plass i samfunnet? Hun møtes veldig mange steder av et sort hull i den kommunale tjenesten. Det finnes ingenting som møter dem, annet enn ensomhet, alenegang og ingen hjelp. Flere kommuner har prøvd ut kloke ting, og vi vet hva som virker: Det er lavterskel psykisk helsetilbud – samtalegrupper der man i hvert fall kan møte noen å snakke med, direkte kontakt med psykolog, slik at man i stedet for å falle helt fra hverandre kan få den ene samtalen som kan gjøre at man redder seg inn igjen. Det kan forebygge store plager, store vansker. Dette er en gruppe som har vært nedprioritert altfor lenge. Det er litt spesielt å være ny på Stortinget, for jeg har hørt at alle partiene snakker om dette i festtaler – psykisk helsetilbud – men realiteten er at tilbudet ikke finnes i kommunene. Så jeg hadde forventet at vi kanskje skulle stå sammen i denne salen og foreslå en stor opptrapping for lavterskel psykisk helsetilbud til kommunene. Derfor foreslår SV 200 mill. kr for en oppstart i 2018. Jeg må si at jeg blir overrasket, jeg blir i hvert fall skuffet, over at det igjen blir med festtalene. Skattekutt for de rikeste, det kan man alltid prioritere, som står igjen helt alene når de kommer hjem fra spesialisthelsetjenesten, eller som ikke får henvisning til å komme seg dit – eldre som sliter med depresjon, unge som sliter med milde spiseforstyrrelser, eller helt vanlige folk som trenger en hand å holde i eller noen å snakke med. De står helt alene i Norge. Det er en skam, og derfor er jeg stolt av SVs forslag om en opptrappingsplan for lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene.

med mindre enn 2 000 innbyggjarar. Ordføraren seier: «Dette er det mest krevjande budsjettet eg har vore med på, og eg har vore med i kommunestyret sidan 2003. Nedskjeringane går ut over heile organisasjonen. Det blir kutt innanfor pleie og omsorg, administrasjonen og barnehage og skule.» Han peikar på reduserte overføringar, reduserte inntekter frå eigedomsskatten, som regjeringa i dag har skrytt av at er så flott. Han peikar på ein kommuneøkonomi som er elendig. Det er vanskeleg å sitje og høyre på innlegga frå regjeringspartia og korleis dei skryter opp økonomien til kommunesektoren, korleis dei skryter opp maskinskatten, som han har som kommunane har hatt. Årdal kommune, min nabokommune, tapar 25 mill. kr. Eg håpar at statsråden i denne debatten fortel korleis Årdal kommune og andre kommunar med 4 000–5 000 innbyggjarar skal kutte 25 mill. kr. Det er ikkje utgreidd, det er ikkje konsekvensutgreidd. Eg sat ein gong i tida i den same ministerstolen som statsråden gjer no, og då hadde me alltid ei utgreiing av konsekvensar, ikkje minst distriktspolitiske konsekvensar, viss ein skulle gjere store endringar. Me la dei ikkje berre inn i eit budsjett og knipsa med fingrane, og så skulle kommunane ta det på strak arm. Korleis skal kommunane kompenserast? Det er eit spørsmål som me må få svar på i dag. Det har vore snakk om overgangsordningar. Det har ikkje vore snakk om nokon varig kompensasjon til kommunane. Det sit mange der ute og strevar med å få saman budsjetta. I dag forventar me at me skal få eit svar. Ein skryter òg av regionsamanslåinga og kommunesamanslåinga. Vel, i dag sit Sogn og Fjordane og Hordaland i Viss dei folkevalde i Sogn og Fjordane møter den same veggen som folka til Fylkesmannen gjorde då dei skulle forhandle, kan det verte mykje moro å følgje med på både i Sogn Avis og andre lokalaviser i den komande tida når ein skal forhandle om kor mykje som skal flyttast til Bergen. Etter fire år med overforbruk og store underskudd har regjeringen endelig strammet inn på bruken av oljepenger. Det er

har gitt anerkjennelse for at regjeringen viser et snev av ansvarlighet, men i luften henger det ubesvarte spørsmål: Hvem skyves regningen nå over på? Regjeringen vil lovfeste et minimumskrav til grunnbemanning i barnehagen, og vi er alle enige om at det er viktig å ha et sterkt team rundt de yngste. Men så var det det med pengene som følger med. Forslaget får store konsekvenser for både Fredrikstad, Sarpsborg og flere andre kommuner. KS har sagt at reformen er underfinansiert med hele 1 mrd. kr. I Sarpsborg får vi en ekstraregning på 52 mill. kr i året. Resultatet av regjeringens politikk er kutt i andre kommunale tjenester. I praksis betyr det rett og slett

Jeg forstår godt at kommunene synes det er krevende å prioritere det forebyggende arbeidet når ikke regjeringen selv er villig til å prioritere det i sine budsjetter. Jeg savner målrettede tiltak for folkehelse, og jeg savner et lokalt handlingsrom for å kunne gjøre det samme ute i kommunene. Kommunekassen må ikke bli det nye

Der ble det av flertallet satt bom for tvangssammenslåing av kommuner i denne stortingsperioden, og det ble også satt bom for å bruke inntektssystemet slik det ble gjort ved endringene i 2017, hvor det var kommunesammenslåinger og ikke likeverdige velferdstjenester som var begrunnelsen for endringene som ble gjort. Det er ikke bare snevre rammer som gjør at halvparten av kommunene varsler oppsigelser av ansatte.

For 2018 er det satt av 254 mill. kr over innbyggertilskuddet til kommunene for å dekke kostnadene til regionsentertilskudd og som kompensasjon til sammenslåtte kommuner som fikk redusert basistilskudd og småkommunetilskudd som følge av endringene i inntektssystemet for kommunene. Dette er penger som skulle gått til å dekke skole og eldreomsorg i kommunene. Nå brukes de i stedet til å Sammen med Arbeiderpartiet og SV fremmer vi et forslag om å avvikle ordningen med regionsentertilskudd og å innlemme de avsatte midlene i innbyggertilskuddet, slik at de kan bli fordelt etter objektive kriterier i utgiftsutjevningen. En rekke kommuner har reagert på at de gjennom tildeling av regionsentertilskudd for 2018 samtidig mister tildelinger gjennom inntektsgarantiordningen, INGAR, fordi regionsentertilskuddet inngår i beregningen av Jeg ser at flertallet i merknadsform ber regjeringen holde regionsentertilskuddet utenfor fordelingskriteriene for INGAR. Jeg forstår reaksjonene fra de berørte kommunene og dermed også ønsket om korrigering, men Senterpartiets primærstandpunkt er at regionsentertilskuddet er et dårlig begrunnet tilskudd som bør avvikles. Det finnes en lang rekke kommuner med 8 000 innbyggere eller mer som ikke får noen glede av dette tilskuddet, fordi de er opprettholdt som egne kommuner. Det er vanskelig å forstå denne forskjellsbehandlingen. Ta f.eks. Verran og Steinkjer: Hadde de slått seg sammen i 2012, f.eks., hadde de ikke fått ett øre. Man har aldri lyktes med å få en begrunnelse for dette kriteriet. Hvorfor går det kun til regionsentre som ble sammenslått Hvorfor er tallet «om lag 8 000 innbyggere» valgt og ut fra hvilke kriterier? Jeg håper statsråden kan svare på disse spørsmålene. Og statsrådens hakk-i-plata-kommentar om hvor mange Senterparti-kommuner som har slått seg sammen frivillig, er ikke et svar. Eg vert litt forundra når eg høyrer representanten Heidi Greni tala så

Vil Senterpartiet no koma med eit Dokument 8-forslag om at me skal gjera endringar i kraftinntektene til kommunane, sidan dei ønskjer at me skal ha likeverdige tenester i kommunane? Det er snakk om at me må ha eit system som ikkje legg føringar for og skal motivera til kommunesamanslåing, men me må i alle fall ikkje ha eit system som hindrar kommunesamanslåing. Eg tenkjer det er mykje godt arbeid som skal gjerast i åra som kjem, for å få til likeverdige tenester i kommunane, og det er nok mange inntekter me kan sjå på, som er til hinder for nettopp Så tenkjer eg òg, til Rigmor Aasrud, som sakna ein debatt om budsjettet for neste år: Det er eigentleg det dette handlar om, og difor me er her. Det er ein positiv realvekst sjølv om mange kommunar slit. Det me ikkje har høyrt noko om, er kuttet frå Arbeidarpartiet på 300 mill. kr til Kven skal betala den rekninga? Er det barnefamiliane som no skal få ei ekstra stor rekning? Er det kommunane som skal ta den rekninga? Eller er det mange små barn som no ikkje skal få ein barnehage å gå til, når Arbeidarpartiet kuttar i løyvingane med 300 mill. kr til ideelle og private barnehagar? Det håpar eg òg me kan få svar på i denne debatten. Elles er det interessant å høyra at det store spørsmålet frå Arbeidarpartiet i replikkordskiftet er om auken

Da må det følge penger med de gode ordene, ellers er det rett og slett ingenting verdt. Klimaendringene er her nå, med mer nedbør, Derfor må samferdselsbudsjettet også reflektere økte bevilgninger, og det har SV fått til. Vi har også foreslått at kommunene får en bevilgning på 50 mill. kr til klimatilpasning og klimaarbeid i kommunene, altså øremerkede midler. For det er et stort behov for at kommuner og fylkeskommuner har kompetanse på områdene miljø, biologisk mangfold og klima. I den gamle jobben min som naturfilmprodusent reiste jeg veldig mye rundt i landet. Jeg så natur og folk lokalt, på nært hold, og jeg så åpenbare mangler ut fra resultater i felten. Når den overordnede regionale planleggingen i tillegg blir svekket, som fylkesvise hytteplaner osv., og Fylkesmannens miljøvernavdeling blir vingeklippet, da er det fare på ferde. Det har blitt mye mer fritt fram. fram. Dette er en ønsket utvikling fra Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen. De overførte behandlingen av innsigelser fra Miljø- til Kommunaldepartementet og ba rett og slett Fylkesmannen om å komme med færre innsigelser. De ønsker at kommunene i større grad skal ta eget ansvar for arealdisponeringer og utbyggingsprosjekter. Men da må disse kommunene ha kompetanse, noe bare rundt halvparten av kommunene har i dag, så vidt jeg har brakt i erfaring. Samtidig har de ansvaret for å forvalte 80 pst. av arealene i landet. Her er det noe som svikter. Derfor har SV lagt fram et forslag som lyder slik: «Stortinget ber regjeringen fastsette krav til kompetanse i kommunesektoren når det gjelder miljø, biologisk mangfold og klima.» Det er en ganske fantasifull historieskriving som kommer fra venstresiden i denne debatten, for det

vi opplevd en gjennomsnittlig realvekst på 1,4 pst. under den rød-grønne regjeringen, mens det har vært en realvekst på 2,4 pst. under Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen. Den klagesangen som både representanten Greni og Asphjell har kommet med, står da heller ikke til troende. Ikke bare det: Adresseavisen snakket med alle ordførerne i Trøndelag utenom Trondheim 23. august i år skrev de at 36 av 47 ordførere i Trøndelag mente at situasjonen var bedre i deres kommune i 2017, enn hva den var i 2013 under den rød-grønne regjeringen. Bare tre ordførere sa at I all hovedsak er ordførerne i Trøndelag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så det er kanskje på tide at representantene begynner å lytte til sine egne lokalpolitikere. Vi går en framtid i møte hvor det økonomiske handlingsrommet vil bli mindre, i takt med at inntektene fra olje og gass går ned. Det krever at vi gjør tydelige politiske prioriteringer. Økt offentlig pengebruk kan ikke, og skal heller ikke, være løsningen på alle problemer. Vi trenger flere som bidrar til statsbudsjettet framfor å leve av statsbudsjettet, slik at vi har penger å fordele til dem som trenger det. Derfor er vi nødt til å legge til rette for at bedrifter og arbeidsfolk skaper nye jobber, og det er nettopp derfor regjeringen satser på forskning, innovasjon, infrastruktur som bygger landet vårt sammen, og vekstfremmende skattelettelser. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, som har tenkt å øke skattene, er ikke akkurat noen allianse for verdiskapning. Når privat sektor omstilles, er også offentlig sektor nødt til å fornye seg. Vi er nødt til å fortsette arbeidet med å fjerne unødvendig byråkrati for å frigjøre ressurser til velferdstjenester til folk. Vi er fortsatt nødt til å holde et høyt tempo i digitaliseringen av offentlig sektor, slik at vi får mer brukervennlige og effektive tjenester – nettopp slik at enhver kommune kan bruke tid og penger på å skape gode tjenester til folk. Gjennomgangstonen fra denne regjeringen og representantene fra Høyre og Fremskrittspartiet er

avstanden mellom dem som har mye og dem som har lite, blir større. Det er i seg selv dypt alvorlig for et samfunn. Det blir et dårligere samfunn for alle når forskjellene øker. Men det er også alvorlig for dem det rammer, og dem som blir stående igjen. Nylig kunne vi lese i en fersk rapport fra Nav at andelen med lavinntekt i Norge går opp. De med lavest inntekt har ikke tatt del i inntektsveksten i Norge de siste tre årene. Barnefamilier opplever nå reallønnsnedgang. 100 000 barn vokser opp i fattigdom, og det tallet går raskt oppover. Det går altså ikke bedre for disse. Det er de som blir stående utenfor, det er de som blir stående igjen når de rikeste drar fra. Dette må løses ute i kommunene, men det er også et nasjonalt ansvar å ta tak i det. det. Det er et ansvar vi ser at regjeringen ikke tar. De vil ikke øke barnetrygden, som er det enkelttiltaket som både omfordeler og sikrer at færre barn vokser opp i fattigdom. De svekker Husbanken, slik at færre med lavinntekt kan få hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet hører vi også at det er uaktuelt med tiltak som vil bremse den ville boligspekulasjonen som har drevet prisene oppover, og som har skapt et boligmarked som segregerer byene våre ytterligere og forsterker forskjellene i samfunnet. Regjeringen kutter også i bostøtte. Til tross for økt befolkning, flere fattige og økte utgifter mener Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti at det er behov for mindre bostøtte. Vel, hvis de hadde tatt seg én tur til Fattighuset her i Oslo eller til Kirkens Bymisjons tilbud, ville de ha sett at det er et stort behov for økt bostøtte, og det er kommunene som er nødt til å ta regningen når regjeringen kutter. Regjeringen har også kuttet i barnetillegget for uføre, noe som rammer mange tusen barn, og de øker prisene på barnehage. Det er mange barnefamilier som virkelig hadde trengt å få det bedre, men som ikke får det med dette budsjettet. Jeg representerer Oslo, og jeg kan fortelle at gleden var stor da statsråden før valget kunne love områdeløft for Søndre Nordstrand, og skuffelsen var desto større da det viste seg at det løftet var på 4 mill. kr for hele den bydelen. SV foreslår et storstilt løft for de områdene som har behov for det, og flere tiltak for å redusere barnefattigdommen – fordi vi må redusere forskjellene, – fordi vi må redusere forskjellene, og fordi vi mener at det ikke er lavtlønte barnefamilier som må stramme livreima når vi ser at handlingsrommet blir mindre.

Jeg anbefaler representanten Wilkinson å ta én Red Bull mindre om morgenen og heller putte på litt mer penger og litt mer langsiktig innsats. De siste fire årene er det bevilget 1 mrd. kr mer til å styrke nettopp det Wilkinson fra SV etterlyste. fra SV etterlyste. Fra at det ble 13 færre helsesøstre i 2013, er det nå 500 flere stillinger i kommunal sektor. Det gjelder helsesøstre, jordmødre og psykologer, nettopp de som skal være i kontakt med dem som har behov for psykiske helsehjelp. I tillegg har psykologer fått henvisningsrett fra 2015, noe den rød-grønne regjeringa ikke greide å gi psykisk helse og psykisk uhelse er. For første gang i Norge har vi etablert en strategi innen psykisk helse. De fire flertallspartiene som råder nå, har greid den oppgaven. Sammen har vi også skapt flertall for en opptrappingsplan for psykisk helse rettet mot barn og unge. Jeg må bare si velkommen etter – 200 mill. kr til en opptrappingsplan er å lande på en annen planet. Det som sto igjen fra den rød-grønne regjeringa, var en folkehelselov og en frisklivssentral her og der. Det var en samhandlingsreform som i beste fall var halvgjort. Tiltakene innen psykisk helse og rus trer i kraft først fra i år.

Her må det dynamikk til, og vi må ta alle aktører i bruk. Vi kan i tillegg legge til en opptrappingsplan på rusfeltet. 2,4 mrd. kr over fem år er mye penger, men det trengs mye der ute. Så 200 mill. kr – beklager SV, men det er å hoppe etter Wirkola. Etter representanten Kjenseth, som anbefalte Wilkinson å ta en Red Bull mindre, skal jeg nøye meg med å si at det kanskje er mye der ute. Så 200 mill. kr – beklager SV, men det er å hoppe etter Wirkola. Etter representanten Kjenseth, som anbefalte Wilkinson å ta en Red Bull mindre, skal jeg nøye meg med å si at det kanskje er greit å ta litt mindre Møllers tran, for er det noen som har løftet dem som har sittet nederst ved det helsepolitiske bordet, er det denne Det har skjedd i både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det første statsråd Høie gjorde, var å fjerne den gylne regel, noe som gjorde at pasienter med psykiske lidelser vil være likeverdige i en kø med dem med vanlige somatiske lidelser. Man har dermed behandlet flere. Vi var også den regjeringen som var opptatt av psykisk helse i kommunene og ga tilskudd til psykologer i kommunene. Nå er antallet tredoblet. Vi startet med 130, og nå er det faktisk 410. Det er tidenes opptrappingsplan innen områdene psykisk helse og rus, og det er i alle fall de som trenger det sårest i dette samfunnet. Vi er stolt av arbeidet med psykisk helse og rus. Når det gjelder budsjettet, ser jeg at svartmalingen av både kommune- og fylkesopplegget ikke er troverdig. Det er fastslått at kommunene har fått sterkere realvekst i frie inntekter under denne regjeringen enn under den foregående. Det er vanskelig å snakke seg bort fra det. det. Fra 2005 til 2013 var den årlige veksten på 0,6 pst. per innbygger, mens den fra 2013 til 2017 var og er på 0,9 pst. Det er ikke belegg for å si at vekst i frie inntekter ikke dekker demografi og pensjon. Jeg vil gjerne se de tallene.

Jeg lurer veldig på hva angsten for kommunereformen er. Det er snakk om struktur, men jeg opplever at det i debatten er veldig lite snakk om innhold og kvalitet til innbyggerne i kommunen, noe som er nødvendig. Noreg er eit godt land å bu i, med velferdsordningar som få andre land. Mange meiner at å vere norsk statsborgar er å ha Det går bra for Noreg. Regjeringa har losa oss gjennom ei krevjande tid med dramatisk fall i oljeprisen og auka arbeidsløyse, spesielt knytt til petroleumsnæringa. No går det rett veg. Den økonomiske veksten er på veg opp, og arbeidsløysa er på veg ned. Næringslivet melder om grunn til optimisme, også innan olje og gass. Regjeringa fører ein politikk som gjev næringslivet gode rammevilkår. Det er viktig for sysselsetjing og vekst i heile landet. I juni 2017 gjorde Stortinget historiske vedtak då ein vedtok samanslåing av kommunar. Talet på kommunar gjekk ned frå 428 til 354, og ei ny regioninndeling medførte elleve fylke. Målet med kommunereforma og regionreforma er å gjere ei inndeling som er betre tilpassa dei samfunnsendringane me står overfor, og leggje til rette Endring i kommunikasjonsforhold har vore årsak til kommunesamanslåingar gjennom tidene, også denne, som er den første store sidan 1960-talet, men me er framleis det landet i Norden som har flest kommunar. Me blir fleire innbyggjarar i Noreg, me har passert 5,2 millionar. I 2030 er prognosane at me rundar 6 millionar. Men folkeauken er ujamt fordelt Tendensen er at det er dei store byane og tettstadene som veks. Det me ser, er at distriktskommunar mistar innbyggjarar, og det blir fleire eldre. Eit viktig distriktstiltak er å ha god infrastruktur i form av gode vegar, godt utbygd breiband og tilgang til gode kollektivløysingar som buss, bane, ferje og fly. Denne regjeringa har levert ei historisk satsing på samferdsel. Sidan 2013 er løyvingane auka med på veg og jernbane er høgt prioritert. Me ser at forfallet er på veg ned. Samferdselstiltak er viktige distriktsverkemiddel, som gjer at folk kan bu i distrikta, og ein opplever no at næringslivet satsar som aldri før fordi samferdselstiltak gjer bu- og arbeidsregionar større. Aldri før har det vore satsa så tungt på å vedlikehalde det me har, samtidig som det blir bygt ny og moderne infrastruktur. Denne regjeringa ser kor viktig det er å byggje infrastruktur for vekst og utvikling i heile landet. Det er godt synleg i budsjettet for 2018. Dette er ikke et kommunebudsjett som blir klaget inn for dopingkontroll, så det er ikke sikkert det hadde vært så galt med litt Redbull i dette her. Jeg er enig når statsråden går opp og sier at vi må gi rom til lokalpolitikerne. Ja, det er det vi må. Men det er det som ikke skjer i dag med statsrådens budsjettforslag og med flertallets stemmegiving. Det er akkurat det som ikke skjer. Det er nettopp derfor det sitter Høyre- og Fremskrittsparti-ordførere rundt om i det ganske land i disse tider og stemmer for eiendomsskatt. Hvorfor stemmer de for eiendomsskatt ute i sine kommuner? Jo, fordi de trenger pengene. De trenger for å skaffe nok sykehjemsplasser, for å betale for fritidsklubber, for å betale for velferden som de ser er nødvendig å gi sine innbyggere. Derfor sitter det Høyre- og Fremskrittsparti-ordførere og kommunestyrerepresentanter over det ganske land i disse tider og stemmer for eiendomsskatt. Kort til det som skulle være Fremskrittspartiets paradegren, når de skulle avbyråkratisere landet. Jeg hørte representanten Engen-Helgheim – han er ikke i salen nå, men han var det tidligere – si at dette var det viktigste. Ja, da synes jeg at Fremskrittspartiet, regjeringen og Engen-Helgheim skal ta en titt på tallene som viser at ansettelsene i byråkratiet har skutt i været etter at de kom i regjering. De har overhodet ikke vært i nærheten av å gjøre det de har

mye å skryte av. For å ta et annet eksempel: Sund kommune i Hordaland hadde fått 2,7 mill. kr mer med Arbeiderpartiets forslag. Så til påstanden om at vi svartmaler – det gjør vi ikke. Men vi har andre prioriteringer. Vi setter skole, helse, omsorg og velferd først. Vi bare registrerer at regjeringen fortsetter å si at skattekutt er viktigere. Det er den politiske forskjellen.
er grunnmuren i lokalsamfunnet, blir det sagt. Ja, derfor er jeg glad for at det budsjettet vi skal vedta, vil sette kommunene i stand til å styrke viktige velferdstjenester. Det gjelder forsterkning av helsetilbudet til barn og unge, styrking av tidlig innsats og å sikre et bedre velferdstilbud til rusavhengige. Det er kvaliteten og tilgjengeligheten på tjenestene som bygger tillit mellom kommune og innbyggere. Jeg må si at det er forunderlig å høre Senterpartiet snakke om kommuneøkonomi, sentraliseringsspøkelser og regjeringas behandling av distriktene når vi vet, som vi har hørt mange ganger her, at kommunesektoren i 2016 hadde det sterkeste driftsresultatet på ti år og det aldri har vært så få kommuner i ROBEK-registeret. Med all respekt – dette står i sterk kontrast til det bildet opposisjonen prøver å tegne, anført av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Regjeringa legger også i dette budsjettet opp til en vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 4,6 mrd. kr. Der opposisjonen snakker, leverer Regjeringa forsterker i dette budsjettet det sosiale sikkerhetsnettet, slik at færre vil falle utenfor, og flere kan løftes opp. 300 mill. kr av veksten i kommunenes frie inntekter skal sikre et bedre tilbud til rusavhengige, slik at flere får hjelp til å mestre hverdag og jobb. Det er en god investering. 200 mill. kr til tidlig innsats i barnehage og skole er et godt løft og svært etterlengtet. Det samme er regjeringas satsing på forebyggende tiltak for barn og unge og familier, det være seg helsestasjons- og skolehelsetjenesten eller andre forebyggende tiltak. Som representanten Kjenseth sa for litt siden: En god barndom varer hele livet. Som innbyggere er vi alle opptatt av kvaliteten på de kommunale tjenestene vi får, og vi stiller høye krav. Men få av oss ser ut til å være villige til å betale mer for tjenestene. Jeg minner igjen om da Arbeiderpartiet stilte til valg med løfter om en økning i skatteregningen på 15 mrd. kr til Norges befolkning – ja, da var det kontante svaret fra velgerne: Nei. Selv om kommunene får gode økonomiske rammer, ser vi at det fortsatt er behov for prioritering og god ressursbruk. Tjenesteinnovasjon og effektivisering er nødt til å komme høyere på agendaen, og da handler det om å forenkle, fornye og forbedre tjenestene.

vi trenger en kommunesektor og en statlig sektor som er med på det grønne skiftet, som har kompetanse til å ta vare på klimautfordringene framover, og som klarer å bygge opp gode lokalsamfunn. Det er derfor SV prioriterer dette høyere enn det regjeringen gjør. Jeg hører at man nå går opp og skryter av en satsing på 100 millioner her og 200 millioner der. Men når SV legger 100 eller 200 millioner oppå, da er det ingenting. Da er det småpenger, da spiller det ingen rolle, da er det overbud. Jeg registrerer at det er viktig med penger når regjeringspartiene og flertallspartiene snakker om det, men når andre prioriterer det høyere, er det ikke viktig. Økte forskjeller i landet er ikke og det er tap for mange mennesker, som får vonde liv. Flere vil kunne delta i verdiskapingen hvis de får et bedre liv og kan bruke kreftene sine til å skaffe seg kompetanse og få arbeid. På boligområdet er det alvorlig. Jeg registrerer at flere representanter er oppe og sier at bostøtteordningen er styrket. Vel, det er flere titusen færre som får nå enn før – som får dekt en mindre del av sine boutgifter – og det er to viktige grunner til at dette skjer: Det ene er at uføretrygdede har falt ut, så ingen nye uføretrygdede får bostøtte. De gamle får – en midlertidig ordning – for ett og ett år om gangen. Det er helt utilstrekkelig. Det andre er at de ulike elementene i bostøtten ikke er justert opp for å ta igjen det gapet som har oppstått de fem–seks siste årene. Vi bruker mindre penger på bostøtte nå enn vi gjorde i 2009. Det henger jo ikke på greip. greip. Da er det ikke en forsterket sosial boligpolitikk vi har, vi har en svekket sosial boligpolitikk. Det går rett inn i hjemmet til noen av dem som virkelig har det vanskelig, og der vi også vet at inntektene til og med har gått tilbake de siste årene. Dette øker de vonde forskjellene. Det er helt unødvendig, for det er penger nok hvis bare også flertallet hadde vært villig til å ta kampen for de mange som sliter i samfunnet, og ikke bare for de få aller rikeste.

Hvis kommunene ikke klarer å bruke en tilskuddsordning som ligger der, år ut og år inn, men skal vente helt til siste slutt og så klage, kommer vi på en måte aldri videre med å oppgradere. Dette er et viktig virkemiddel for å få unna de siste oppgraderingene som nå er nødvendig. Men enda viktigere: Vi er nødt til å ha flere sykehjemsplasser. sykehjemsplasser. Det må kommunene nå få på plass for å møte alle de nye eldre som vi får i fremtiden. Så synes jeg det er spesielt når de rød-grønne kritiserer at det er et lite kutt for ressurskrevende brukere. Det fremmet de rød-grønne selv forslag om da de satt i regjering. det blir litt som å kaste stein i glasshus. Til det som representanten Wilkinson og flere har vært innom: Jeg synes det er helt greit at opposisjonen svartmaler når det er grunn til det, men det bør være en grense for hva som er anstendig. Alle tall viste at etter åtte rød-grønne år var det nedgang i både behandling, behandling, forebygging og oppfølging i kommunene når det gjaldt rus og psykisk helse. Derfor måtte vi ta grep om det. Vi forlangte at alle kommuner måtte ha kommunepsykologer. Det ønsket ikke de andre partiene. Vi innførte en tilskuddsordning som gjør at vi nå har fått psykologer i veldig mange kommuner. Når det gjelder helsestasjoner, nedgang i ansatte under de rød-grønne. Vi økte det nå, og vi har fått mer enn 500 flere ansatte i skolehelsetjenesten og på helsestasjonene. Dette er viktige grep som vi har tatt. Nå holder vi på med en opptrappingsplan, og vi har særlig fått til en strategi for barn og unges psykiske helse. Grunnen til at vi har gjort så mye på dette feltet, er at det var nedprioritert gjennom åtte år. så mye på dette feltet, er at det var nedprioritert gjennom åtte år. Representanten Kaski sier at det blir flere som har det vanskelig, og som har lite. Ja, vi har fått nærmere 80 000 nye mennesker inn til landet vårt de siste årene. De lever på overføringer de første årene. Inntil de kommer seg i jobb, er det klart at vi får mange som har veldig lite. Det er derfor vi er så opptatt av å få dette på plass. Og igjen:

de borgerlige partiene ble gjenvalgt. For et år siden på denne tiden hadde Arbeiderpartiet ca. 36 pst. på meningsmålingene, nå har de 26 pst. Jeg vet ikke om jeg skal gi noen vennlige råd, men det er i hvert fall åpenbart at velgerne ikke kjenner seg igjen i den beskrivelsen som Arbeiderpartiet og flere andre partier gir. Ja, vi har uløste utfordringer i Det har vi. Men vi har, som flere har vært inne på, sørget for at de som sliter med rus og psykisk helse, har fått et løft. Ventetidene er kortet ned, skolen er styrket, kommuneøkonomien har blitt romsligere. Ja, det er krevende å være lokalpolitiker, men man kommer ikke forbi at kommuneøkonomien er styrket. Liv Signe Navarsete har åpenbart lest lokalaviser. Det burde hun ha gjort også da hun var kommunalminister. Realiteten er at Balestrand, som er en av de kommunene som ble trukket frem, hadde 0,4 pst. vekst i de åtte rød-grønne årene og har hatt en vekst på ca. 1 pst. fra 2013 til 2016. Og det er en kommune som har en økonomi på

siden. Da sa jeg at kommunereformen kommer til å fortsette fordi det er viktig for innbyggerne, viktig for tjenestene, men selvsagt innenfor de rammer som Stortinget har trukket opp. Det er ikke slik at inntektssystemet blir brukt for å fremme kommunereformen, inntektssystemet ble endret fordi det var et hinder for kommuner som ønsket å gå sammen. Kommuner som gikk sammen, ble i flere tilfeller straffet. Derfor ble inntektssystemet endret. Og som Kristelig Folkeparti viser til, vil dette selvsagt bli evaluert. Helt til slutt til representanten Aasrud: Når det gjelder skattefritak for kommuner og spørsmål fra ESA om statsstøtte, har vi et partssammensatt utvalg som jobber med å se på handlingsrommet. De legger frem sin innstilling på nyåret, og da vil vi selvsagt ta den problemstillingen på det
regjeringspartiene som tapte valget. Næringslivet i Nordland går ganske godt, og noen påstår at det er på grunn av regjeringen. Sannheten er vel heller at det er på tross av framstilles som at fylkeskommunene har fått mer å rutte med, men i Nordland får vi mindre – nesten 300 mill. kr mindre fra 2020. Det blir ca. 1 mrd. kr mindre på fire år. Det er ingen satsing på Nordland fylke. Nedtrekket er vel heller et ledd i regjeringens jobb nummer Men sjømatnæringen, industrien, reiselivet og opplevelsesnæringene går bra i Nordland, og mange av disse aktørene befinner seg ikke ved en riksvei, men ved en fylkesvei. I Nordland har vi over 4 000 km fylkesvei, og mange av næringsaktørene er også avhengige av ferjer for å få varene ut i verden eller folk til bedriftene. på fylkesveiene er stort, og Senterpartiet vil satse mye mer enn regjeringen på fylkesveier. Vi satset 500 mill. kr i 2017 og viderefører satsingen med 1 mrd. kr i neste års budsjett. Senterpartiet har heller ikke stemt for den omfordelingen fra Nordland og andre distriktsfylker som gjør at Nordland fylkeskommune må tilpasse seg et nedtrekk på nesten 300 mill. kr årlig fra 2020. I tillegg har vi bevilget 100 mill. kr mer til skredsikring og 50 mill. kr til å forsterke broer som ligger som flaskehalser langs veiene. Fra Indeks Nordland blir det lagt vekt på de ressursene vi har i fylket. Det er kalk fra Velfjord, fiskeriene i Øksnes, industrien i Glomfjord og laks fra Lovund, og alle disse trenger gode fylkesveier. Men løsningen for å skape verdier av disse ressursene er mer distriktspolitikk – ikke mindre. Mer distriktspolitikk er ikke en form for nødhjelp. for økt verdiskaping, det er investering veier, mennesker, næringsutvikling og kunnskap. Det er en helt nødvendig utvikling for å ta hele landet i bruk. Og vi trenger å ta hele landet i bruk for å opprettholde velferden i framtiden. Representanten Heidi Greni har hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort merknad, avgrensa til 1 minutt.
Statsråden sa noe sånt som at velgerne ikke kjenner seg igjen i Arbeiderpartiets beskrivelse av Velferds-Norge – at det viser valgresultatet. Jeg tror jeg vil følge opp den logikken og si som så at velgerne kjenner seg i hvert fall igjen i Senterpartiets beskrivelse av sentraliseringspolitikken – det viser Ørmen Johnsen etterlyste mer debatt om innholdet i kommunereformen, at det var for lite snakk om innhold og kvalitet. Ja, det er jo ikke noe innhold og kvalitet i kommunereformen. Den myndighetsoverføringen som er med i kommunereformen, er vigselsrett og noen regler for flagg. Ingen har sett at det har noe med myndighetsoverføring eller mer makt til lokaldemokratiet å gjøre. Jeg registrerer at regjeringspartiene vil diskutere 2016. Da må jeg bare slå fast at 2016 var et ekstraordinært år. Som statsråden og jeg var enige om da vi diskuterte kommuneproposisjonen, var det skatteomleggingen som gjorde
ønsker ikke dårligere kommuneøkonomi, den ønsker at kommunene skal få større handlingsrom, og man sier det er solid kommuneøkonomi. Man sier at arbeidsledigheten går ned, og at det går bra i distriktene. I Finnmark er Loppa og Gamvik de store taperne i regjeringens forslag til statsbudsjett. Småkommuner som ikke vil slå seg sammen, blir straffet. Ordføreren i Loppa hadde et håp om at Stortinget ville tvangssammenslå Loppa med Alta. Folk i Loppa sa klart nei til sammenslåing med Alta. Mens de fleste kommunene får dekket prisveksten, blir det kutt i Finnmark. Det går fram av oversikten som Fylkesmannen i Finnmark har publisert på sine nettsider. Mange av de minste kommunene får størst kutt. Loppa må kutte 3,4 pst., noe som utgjør rundt 5 mill. kr. Gamvik, Hasvik og Berlevåg følger hakk i hæl på lista over dem som må stramme inn mest neste år. I Finnmark er det bare én kommune som får vekst neste år, og det er Hammerfest. På meg virker det som om man har laget et inntektssystem som skal straffe de minste kommunene. Det er nesten sånn å forstå at straffen kommer fordi man har vært skeptisk til kommunesammenslåing. Man har prøvd å stimulere økonomien for større enheter. Det vil utarme småkommunene. Kommunene i Finnmark kan få litt mer penger etter hvert. Det har kommet en ny modell for det såkalte skjønnstilskuddet, der Fylkesmannen venter med å fordele de siste 12 mill. kr. Det skal gå til dem som trenger det mest. Dette er likevel ikke nok til å endre bildet av at kommunene i Finnmark kommer dårligere ut enn gjennomsnittet. Veksten i kommunesektoren er på noe som skal være nok til å dekke lønns- og prisveksten. Finnmark må nøye seg med 0,7 pst. lavere vekst, altså en reell nedgang. Ifølge Fylkesmannens tabell vil den forventede pris- og lønnsveksten spise opp økningen for 18 av 19 kommuner, slik at bare Hammerfest går i pluss. og Høyre sier at det går så det suser i Distrikts-Norge, men realiteten er at i mange av kommunene i Finnmark har kommunepolitikerne frykt for om de skal klare å utføre de oppgavene de skal. Det skjer en forvitring i noen kommuner som ikke er bra, og vi har en del politikere som ikke vet sin arme råd. Representanten Karin Andersen har
Det er ingen regjering som har hatt så mye penger å rutte med som denne regjeringen. Det har man hatt nå i over fem år, så det er kanskje snart på tide å begynne å sammenlikne seg med andres forslag til budsjett og hvordan man disponerer de pengene vi nå har til disposisjon. Det er ingen tvil om at budsjettene nå er sentraliserende, og at de øker forskjellene. Det er et valg som Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har gjort. Jeg reagerer spesielt når representanten Kjønaas Kjos snakker om særlig ressurskrevende brukere. Ja, det er helt riktig at noen har foreslått endringer for disse før, men det behøver ikke tilsi at når man har mer penger til disposisjon enn noen gang, er det der man skal kutte. Tvert imot burde dette være utgifter som Fremskrittspartiet hadde passet ekstra godt på. Jeg registrerer at man gjør ikke det, for dette er utgifter som kommunene må ta, og som er til mennesker som ikke sjøl kan ta vare på egne behov. Representanten Rigmor Aasrud har hatt ordet to gonger tidlegare og
Vi hører fortsatt regjeringspartienes representanter her kun snakke om 2016 og 2017. Men det er altså sånn at når kommunene nå får 3,6 mrd. kr, går det vekk 2,6 mrd. kr til demografi og pensjon. Da er det igjen en milliard, og så støtter vi opptrappingen på rusfeltet, vi støtter tidlig innsats i barnehage og skole, og vi støtter forebyggende tiltak for barn og unge og familier. Men da er det igjen 300 mill. kr, og det er akkurat den samme summen som man belaster kommunene med, i merutgifter for de ressurskrevende brukerne. Da må det være lov å si at det går an å prioritere annerledes, sånn som de andre partiene har gjort. Så til Trellevik: Ja, vi kutter i de private barnehagene, for vi ønsker å kunne stille krav til de barnehagene, om bl.a. åpningstid. Det er det ikke nå, og da får de faktisk mer betalt for oppgavene enn de kommunale. Det er ikke riktig. Representanten Mari Holm Lønseth har hatt ordet to gonger tidlegare og
Selv om representanten Karin Andersen flere ganger går opp på talerstolen og sier at uføre ikke får bostøtte, blir det ikke mer sant av den grunn. Vi har i løpet av den siste fireårsperioden gjort veldig viktige endringer i bostøtten som gjør at den blir mer målrettet, og som gjør at den også opprettholder sin realverdi over tid. Antallet mottakere av bostøtte har gått ned, men de som får bostøtte, får mer. Igjen: Jo flere ganger Karin Andersen går opp på talerstolen og sier det – det blir ikke mer sant av den grunn. La meg ta tre ting vi har gjort for å målrette bostøtten mer i disse årene. For det første har vi oppdaterte opplysninger om inntekt, slik at man får riktig bostøtte og slipper å få store tilbakebetalingskrav. For det andre har man økt bostøtten til barnefamilier, og man store tilbakebetalingskrav. For det andre har man økt bostøtten til barnefamilier, og man har også hevet inntektstaket for boutgifter, slik at barnefamilier får mer. For det tredje har man også sørget for at det blir enklere for bokollektiv å få bostøtte, slik at også flyktninger får bostøtte. Det har vært veldig viktig. Tida er

Ja, vi får se, etter at dette budsjettet er vedtatt, hvor mye smerte det har påført både folk og byer i Norge. Det gjenstår å se. I Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2018 er det 2 mrd. kr mer til kommunene. Det betyr at det vil bli mer penger til landets kommuner – til alle landets kommuner – både til barnehage, til skole og til eldreomsorg. For eksempel der jeg bor, i Orkdal kommune, som skal slå seg sammen med Agdenes, Meldal og Snillfjord, betyr Arbeiderpartiets alternative budsjett 7 432 000 kr mer i året. Det vil bety en bedre kvalitet på de velferdstjenestene vi har – ikke mindre kvalitet og ikke mindre penger. Det er realiteten i budsjettet for 2018. Representanten Holm Lønseth viste til Adresseavisens «Det går til å være med på en intervjurunde som man ikke kjente agendaen til, og som ordførerne etterpå har tilbakevist. Hvilken ordfører vil si: Nei, i denne kommunen går det veldig dårlig, i denne kommunen har de det veldig vondt, her jobber de ansatte veldig dårlig osv. Det er ikke sånn. Det er klart at mange kommuner har lagt ned skoler, sykehjemsplasser og barnehageplasser på grunn av dårlig kommuneøkonomi. Men ansvar, for det handler om de kommunebudsjettene som denne regjeringen gir til kommunene i Norge. Når man skal måle kvaliteten i kommunetjenestene i Norge, kan man ikke måle resultatet ut fra bunnlinja. Da må man måle kvaliteten i forhold til kvantitet og kvalitet på de tjenestene som kommunen er satt til å gi sine innbyggere. Jeg merket meg også at statsråd Sanner slo seg litt på brystet og sa: Vi er årets valgvinnere. Jeg må da minne Høyre om at alle partier, både Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, gikk tilbake ved valget i 2017, og det var med knappest mulig margin at de fikk et flertall. Men flertallet har man mistet – denne regjeringen er en mindretallsregjering som er helt avhengig av støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti for å få et flertall. Vi har allerede sett i denne perioden at man har mistet dette flertallet i mange saker, og vi får endelig håpe at disse støttepartiene ser at det forslaget som Arbeiderpartiet har lagt fram, er et mye bedre forslag, som vil gi innbyggere i alle landets kommuner et mye bedre tjenestetilbud innenfor disse områdene. Til representanten Asphjell må jeg si at det er

imellom. Ethvert budsjettflertall må ta ansvar for de vedtakene som blir gjort. Da synes jeg vi skal være ærlige både når det gjelder å påpeke de gode tingene og de mindre gode tingene. De mindre gode tingene i dette budsjettet var faktisk regionaltilskudd, og det er innslagspunktet for ressurskrevende brukere, men det var så langt vi kom. Jeg kan ikke med min beste vilje se at vi får noe bedre budsjett for kommunene med å slå hverandre i hodet med tall fra denne talerstolen – om det er en 1,6, eller 1,9, eller hvilket tall det er. Det er faktisk den tjenesten vi får ut av dette, som er det viktigste. For en nybegynner på dette feltet er det påfallende påpeke sin egen fortreffelighet – og å påpeke hvor dårlig den andre siden er. Nei, det har jeg lært etter et langt liv i kommunepolitikken, at selv om en var uenig, så måtte en brette opp ermene og gjøre det beste ut av den porteføljen en hadde. Var en fornøyd? Nei, det var ingen år vi var fornøyde. Noen år var vi mer fornøyd andre år, men vi brettet opp ermene og gjorde en best mulig jobb ut fra den porteføljen en hadde. Hvis en vanlig innbygger skulle ha sittet og hørt på denne debatten, er jeg ikke så sikker på om en ville se et bedre tjenestetilbud ut fra både prosentregning og annet. For det vi er i ferd med å gjøre, er å snakke kommunene ned, snakke kommunenes tjenester ned. Vi må snakke kommunene opp, og

og så må vi ikke tillegge andre motiver som de ikke har. Representanten Asphjell snakket om de økningene som er foreslått i Arbeiderpartiets alternative budsjett, men han glemmer én ting, nemlig hvordan han har tenkt å finansiere alle de gode løftene. Det handlet om økt skatt, og det handlet om økte avgifter – for innbyggerne og for næringslivet i de samme kommunene – som også har betydning for utviklingen i den kommunen. Jeg tror det lønner seg å snakke om begge sider av regnskapet når en skal snakke om sine påplussinger. Men det jeg tok ordet for, handler om fylkesveier. På mange representanter fra Senterpartiet virker det som om vi ikke satser på fylkesveiene i det hele tatt. Det er fullstendig feil. Under denne regjeringen har det faktisk blitt økt, utover det som lå til grunn i den forrige nasjonale transportplanen med tilskudd til fylkesveiene. I 2018, til oppgradering og fornying, ligger det inne ca. 1,6 mrd. kr til fylkesveiene, utover det som ligger i den ordinære rammen, som skal dekke det løpende vedlikeholdet av fylkesveinettet. I tillegg bruker vi 750 mill. kr, eller der omkring, hvert år på rassikring av fylkesveinettet. Så framstilles dette som om det ikke blir satset på fylkesveiene i Norge, og det virker pussig for meg. Så er det nå engang slik at denne reformen fra 2010 – da det som i dag er fylkesveinettet, ble overført fra ble gjort uten noen form for plan for hvordan en skulle dekke vedlikeholdsetterslepet i årene som kom, uten noen form for plan for hvordan en skulle dekke vedlikeholdsetterslepet. Jeg synes det i alle fall er grunn til å huske sin egen historikk før en kritiserer andre for manglende satsing. Jeg er fornøyd med at vi klarte å løfte dette, og jeg er fornøyd med samferdselssatsingen som blir gjort i Norge. Vi har økt totalt over samferdselsbudsjettet, med over 60 pst. fra 2013 til 2018. Det vises i hele Norge. Det bygger hele Norge, det bygger Distrikts-Norge, og det bygger by og land. Det tenker jeg er greit at vi tar med oss i den videre
Flere har vært inne på spørsmålet om ressurskrevende tjenester. Det er ingen tvil om at det er en svært viktig ordning for at flest mulig skal kunne få et godt tilbud i sin hjemkommune. Ser vi på tallene, er realiteten at fra 2013 og frem til i dag har det vært en økning fra 6,3 mrd. til 9,6 når representanten Karin Andersen sier at Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet og andre må passe mer på de tjenestene – vel, det har vært en økning på 3 mrd. kr i løpet av disse fire årene. Det var 6 600 som fikk den type tjenester i 2013. Nå er det 8 400. Det er bra, for det betyr at flere får et godt Det er riktig at vi i 2018 har økt egenandelen for kommunene med 50 000 kr ut over prisstigningen. Det rører ikke tjenestene til innbyggerne og dem med behov, men det betyr at kommunene får en ekstra egenandel på 50 000 kr. Så sier representanten Greni at kommunereformen ikke har innhold og kvalitet. Vel, hva slags budskap er det til de tusenvis av lokalpolitikere som nå gjennomfører kommunereformen? Enten de kommer fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre eller Fremskrittspartiet, så gjør de det fordi de mener at det vil gi et bedre tilbud til innbyggerne i tiårene som kommer. Det er derfor vi støtter dem, og det kommer vi til å fortsette å gjøre, fordi vi er opptatt av å bevare de norske velferdskommunene, og av at de kan gi gode tjenester til innbyggerne i årene som kommer. For vi vet noe om fremtiden, og det er at det blir mer krevende, også for kommunene. Når oljeinntektene går ned, utgiftene til velferd går opp og folks forventninger øker, blir det mer krevende. Da hjelper det svært lite om man slår hverandre i hodet med 2016-, 2017- eller 2018- tall, man bevilger 1 mrd. kr mer eller 1 mrd. kr mindre. Det kommer til å kreve av oss at vi evner både å prioritere tydeligere i årene som kommer, og at man flytter ressursene fra administrasjon til bedre tjenester – slik vi nå gjør i staten. Da er det ikke slik som det ble hevdet av representanten Lauvås, at antall byråkrater skyter i været. Nei, tvert imot går det ned i departementene. Vi har bremset den voldsomme veksten som var under de rød-grønne. Vi flytter nå statlige arbeidsplasser ut i landet i langt høyere grad enn det som ble gjort før, og vi gjør det fordi det kan styrke kompetansemiljøene og arbeidsplasstilbudet utover landet. Til slutt: Vi har fortsatt boligsosiale utfordringer, men jeg er stolt av at det er langt færre bostedsløse i dag, særlig barn, og jeg er stolt av at det er langt færre bostedsløse i dag, særlig barn, og jeg er stolt av at vi nå har forbedret bostøtteordningen og rettet opp noen av feilene fra i fjor. Representanten Kristin Ørmen Johnsen har hatt ordet to gonger tidlegare og får ordet til ein kort merknad, avgrensa til 1 minutt. Det som fikk meg til å ta ordet, var representanten Greni. Jeg tenker at begrunnelsen for kommunereformen må være en total misforståelse, og det er ganske oppsiktsvekkende. Begrunnelsen er jo nettopp at innbyggerne skal sikres gode velferdstjenester framover. Vi vet at vi får store utfordringer med økt antall eldre i kommunene, men vi skal ha bedre tjenester til eldre, til elever i skolene, til barnehager, til barnevern og psykisk helse. Så jeg vil anbefale Greni å ta en prat med sine kollegaer i Senterpartiet, som faktisk har gått inn for reformen. Vi trenger fornying og omstilling i offentlig sektor. Vi må ikke rygge inn i framtiden. Kommune-Norge var sist i stor endring i 1995. Det er for lenge siden. Store reformer har kommet siden da, bl.a. samhandlingsreformen.
Stortinget tek då pause fram til kl. 15.30. Julelunsjen startar kl. 14, og dette er vel den einaste gongen i året at kommunal- og forvaltningskomiteen og Stortinget i plenum har betalt spisepause! Vel President: